den grad det er nødvendig for å skape sammenheng over til neste spørsmål. Vi er ikke der for å vurdere folks opptreden og attityde eller for å holde preken for dem – så det er sagt. Et mer alvorlig aspekt er at komiteen har begitt seg inn på områder som rett og slett har forstyrret en normal utvikling av en straffesak. I den forbindelse er jeg glad for at Frøiland-utvalgets innstilling er kommet komitélederen i hende, og at han kanskje også har begynt å lese i den. Der er det nettopp tatt inn som en forutsetning at komiteen skal avgrense sin virksomhet mot saker som verserer i domstolene, og det er uttrykkelig nevnt saker som er under etterforskning. Når komitélederen sier jeg har vært skeptisk til noen av høringsdagene, er det riktig, men det gjelder først og fremst ikke høring nr. 2. Det jeg sa tidligere i dag, var at vi fikk lite ut av høring nr. 2. Substansen lå i høring nr. 1, om båtsalgene som ble gjennomført av Kolbergs partifeller. Det er for øvrig heller ikke riktig at jeg har vært inne på tanken å stille noe mistillitsforslag mot disse. Jeg er selvfølgelig klar over at det er et institutt som ikke står til rådighet overfor avgåtte statsråder. Men hvis representanten Kolberg er så i villrede om hvor dårlig systemet har vært tidligere, er hans partifeller tross alt ikke avgått ved døden. Det er jo mulig å få ringt dem opp og spurt hvordan det kan ha seg at dette systemet kunne slippe igjennom bl.a. disse salgene i 2009. Med sin voldsomme interesse for saken er jeg sikker på at Kolberg vil kunne finne frem til de Den delen av høringen som jeg har advart sterkt mot, var det å innkalle orlogskapteinen – som jeg av persongrunner ikke nevner ved navn her – som langt på vei selv innrømmet å være korrupt. Jeg hadde også aversjoner, eller reservasjoner, mot at det ble gjennomført et kontaktmøte med vedkommende på forhånd, selv om jeg var invitert dit, hvor man nærmest skulle høre hva slags vitnesbyrd han kunne bære frem mot den legale ledelsen. Det er også slik komiteen praktiserer nulltoleranse mot korrupsjon – man kan altså bruke utro tjenere hvis de kan gi en argumenter i en

ser som fiksjon. Jeg regner med at B-film fra Hollywood kanskje ikke er av de høyeste kvaliteter, men jeg tror allikevel det vil passere som en rask karakteristikk. Jeg tror jeg nøyer meg med dette. Jeg vil bare si, for å si noe positivt: Ja, vi har det interessant i kontrollkomiteen. Det må jeg bare innrømme. Det er mange utfordringer. Jeg må også si at jeg på mange måter har en viss beundring for representanten Kolbergs form hvis man bare hadde levd opp til formen med det innholdet som man tror kommer. Det er nemlig slik at hvis vi bruker at man får sin integritet dratt i tvil hvis man har et annet syn enn komitéledelsen, er det klart at det er problematisk. Vi må i større grad være i stand til å skille mellom f.eks. ulykker og katastrofer. Hvis man har veldig få redskaper i verktøykassen, f.eks. en hammer, er det utrolig mye som likner spiker. Igjen dette med Arbeiderpartiets tidligere statsråder, som representanten Tetzschner nå igjen mente jeg skulle ringe til. Det

fra de tidligere statsråders side, og som også gjelder den nåværende statsråden, er at de ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om hva som har skjedd. Det er alvorlig for dem, og det er alvorlig for den nåværende statsråden. Jeg sa ikke at representanten Tetzschner sa at han ville reise noen mistillit mot dem, selvfølgelig ikke, men min kommentar var under henvisning til hans karakteristikk av hva representanten Eldegard sa. Det var det jeg min kommentar var under henvisning til hans karakteristikk av hva representanten Eldegard sa. Det var det jeg sa. Jeg vil igjen påberope meg at i denne høringen og i kontrollkomiteens arbeid i sin alminnelighet er det ikke slik at man i vesentlig grad legger partipolitiske hensyn til grunn – noen ganger i noen grad, ja, fordi det er et politisk forum og ikke en rettssak, men i all hovedsak er jeg glad for å kunne si at kontrollkomiteen fungerer etter hensikten. Så vil jeg si noe veldig presist: Representanten Tetzschner reserverte seg nå mot et kontaktmøte som vi hadde med det angjeldende befalet. Nå husker jeg ikke graden, men alle skjønner hvem jeg snakker om – jeg beklager det, men jeg mistet graden. Jeg vil fortelle historien om det, ettersom Tetzschner nå uttaler seg slik som han gjør. Vedkommende henvendte seg til Bård Vegar Solhjell og sa at han hadde informasjon han gjerne ville komme med. Han syntes det var vanskelig. Bård Vegar Solhjell henvendte seg til meg og spurte hva jeg trodde om det. Jeg – og hør etter – kontaktet komiteens nestleder, Michael Tetzschner, og spurte ham om hva han syntes om det, og han sa det var greit. Så var det et møte mellom Bård Vegar Solhjell, Michael Tetzschner og meg på mitt kontor. Og jeg – om forlatelse, om forlatelse jeg – om forlatelse, om forlatelse – konfererte også med ordføreren for saken, og Thorheim sa at det syntes også han var bra. På det grunnlaget sa jeg ja til det møtet. Og så kommer Michael Tetzschner opp her nå og sier at han synes det synes jeg er meget oppsiktsvekkende, fordi det jeg sier nå, er den sanne framstillingen av det. Det førte da – som en forlengelse av det – til denne høringen, som Michael Tetzschner ikke var imot. Under behandlingen av det var det ingen som stemte imot, det var en enstemmig komité som aksepterte det. Det er sannheten om det – for å si det slik – og ikke igjen dette forsøket på å si at det var besynderlig, det skulle ikke skjedd, det var utenfor, det passet ikke. Så det siste, det at jeg gir karakteristikker. Jeg gir i hvert fall ikke personlige karakteristikker, men jeg gir politiske. Jeg mener at jeg står veldig trygt som komiteens leder, fordi jeg støtter meg på et stort flertall i håndteringen av det, og jeg motsetter meg ikke et komitéflertall. Når et komitéflertall har bestemt hvordan det skal være,

ein formdebatt. Eg synest det kan vere ein riktig måte å avslutte debatten på med å seie at vi rundar av lang tids arbeid med ei svært viktig sak, og eg synest forsvarsministeren veldig klart uttrykte at ho og departementet ikkje er ferdige med saka, men står framfor ei ganske lang tid med betydeleg oppfølgingsarbeid med alt det saka har avdekt. Det set eg pris på, og

Men ettersom den nå er over, har jeg lyst til å løfte byens utfordringer i fødselsomsorgen. Tall jeg har fått, viser at i 2015 var det slik at alle mødre nådde fram til sykehuset i hele Troms og Finnmark – i hele 2015. De kvinnene som ikke nådde fram til føden, bor stort sett i Stavanger, Bergen og Oslo. Når vi i forbindelse med fødselsomsorg snakker om lange reiseavstander for å nå fram, ser vi for oss de små distriktssykehusene, mens i realiteten er de som ikke når fram, by-mammaer. I Jordmorforeningens høringssvar til Nasjonal helseplan er også fokuset på de men de påpekte også at de små har færre komplikasjoner, og at det er de store som sliter med lav bemanning. For en stund siden var det oppslag om at jordmødre grudde seg til sommeren. Det har noe med denne salens vedtak om inntaksregler til barnehage å gjøre, som gjør at vi får en boom på sommeren. Allikevel er det sånn at på

kunnskap i språk og ulik kunnskap om norsk fødselsomsorg før de kommer inn til sykehuset. I tillegg ser vi at oppfølging fra jordmødre nok også er forskjellig, og at de som har flest utfordringer, er Ahus, Haukeland og Ullevål. Det som mange opplever når de kommer til fulle sykehus, er å bli sendt sendt mellom de ulike sykehusene i sin region eller bli sendt hjem med beskjed om å vente. Grunnen til at så mange ikke rekker fram, er at mange blir sendt hjem med beskjed om å vente eller ringe jordmor mange ganger, og jordmor sier at her er det fullt, jeg håper du kan vente litt til – og så venter man for lenge. Regjeringa og samarbeidspartiene har sammen brukt 767,7 mill. kr på forebyggende tiltak i kommunene. Det er ikke bare helsesøster på skolen, det er også svangerskap og barsel. Men utfordringen i de store byene er annerledes enn de man finner i mange distriktsregioner. Da jeg besøkte Grønland

svangerskapsomsorg. Det sier noe om hvilke utfordringer de står overfor. Problemet da er at det er de som er aller nederst på rangstigen, som de må prioritere, og i den vanlige fødselsomsorgen, for den vanlige mammaen med en vanlig jobb og et vanlig liv, blir ikke de utfordringene man står overfor, krevende nok når de skal prioritere mellom de ulike gruppene som de har. Vi ser mange steder, spesielt i Oslo øst, at de som defineres som litt ikke kommer inn i den vanlige oppfølgingen, for det er så veldig mange rundt dem som trenger den oppfølgingen så utrolig mye mer. Vi i Venstre mener man burde hatt en opptrappingsplan, for det å satse på fødselsomsorg er noe av det viktigste vi kan gjøre for god helse senere i livet. Vi har mye forskning som viser at det å ha en god fødselsomsorg og en god oppfølging av mødre den første tida av et foreldreskap foreldreskap er blant de beste investeringene vi kan gjøre. Likevel ser vi at spesielt i byene er det en utfordring å få det til å fungere. Jordmødre har en ganske stor arbeidsbyrde. Det ble lagt fram undersøkelser for litt siden som viste at veldig mange av dem føler at de ikke strekker til i forhold til de målene som vi har sagt at vi skal ha på omsorgen. omsorgen. Dette er nøkkelpersonell som er viktig for starten i et barns liv. Jeg må også ta opp en ting som bekymrer meg mye, og som kan virke som et lite problem, men som er en ufattelig tragedie for alle dem som opplever det. Det gjelder de dødfødslene vi har, de ungene som dør i magen den siste delen av svangerskapet. Her klarer heller ikke vi her i Norge å henge med. Det er ikke slik at utviklingen alltid går til det verre, men den har hatt veldig liten framgang. Vi ser at land som Finland, Danmark og Nederland systematisk har jobbet for å få ned tallene på de ungene som mister livet i siste del av svangerskapet. Dette er en tragedie for Dette er en tragedie for hver enkelt familie, og det er unger som vi ikke kan miste. Nederland har klart å få en nedgang på 7 pst. per år siden 2000. Hvis Norge hadde klart i fødselsomsorgen å ta vare på unger like godt som man gjør i Nederland, ville 60 barn vært Det som gjøres da, er systematiske analyser og forskning nettopp på de gruppene. I 2013 var det 2,3 dødfødsler de siste 28 ukene av svangerskapet per 1 000. Det betyr at det var 140 unger som døde. I 2014 var det økt til 2,8 per 1 000, altså 170 barn som vi Det må forskes på. Vi må prøve å strekke oss til å være like gode på dette som man er i mange andre land. Da er det noe som slår meg, når jeg besøker både store og små sykehus og ser utfordringene der. Jeg var f.eks. i Flekkefjord i uka som gikk, som har en fødselsavdeling som har både gynekologer og kirurger til stede, men som driver veldig aktiv screening og oppfølging av hver enkelt for å vite om det er en fødsel som passer på deres sykehus, eller om en bør sendes til et større sykehus med mer fagpersonell. Det som har slått meg, er at hvis man planlegger en fødsel på et sykehus som har den spesialkompetansen, får en ikke den type screening. Det som skjer dem i distriktene som skal føde, er at de får en helt annen type oppfølging og vurdering av hvorvidt det er en vanskelig fødsel, enn de som skal føde på et sykehus som er tipp topp og «fit for fight» for alle utfordringene man møter. Derfor er det mange historier på storby-sykehusene om foreldre som ikke føler seg godt nok fulgt opp, og mange historier om mødre som er inne fordi de er bekymret, får beskjed om å ta det med ro, og så kommer de tilbake noen dager etterpå, og da er livet borte. Dette må vi ta tak i. Dette må vi ha en plan for å stoppe. Hvis vi skal klare å bli like gode som Nederland, Finland og Danmark til å få ned det antallet, er det kanskje noe vi må satse på tidligere i svangerskapet. Min reise rundt omkring i Norge har gjort at jeg av og til får en følelse av at mange mødre i distriktene får en bedre oppfølging enn mange mødre i de store byene, og det kan vi ikke akseptere. Vi kan ikke akseptere at fordi en bor i en by, må en tåle at en ikke når fram, mens vi bruker mange ressurser på at alle skal nå fram til fødsel planlagt på sykehus andre steder i landet. Min utfordring mitt spørsmål til helseministeren er: Hvordan skal vi klare å jobbe med disse feltene for å få denne likheten, og er det sånn at mødre i byer får en dårligere oppfølging enn mødre på mange mindre sykehus? Først vil jeg takke interpellanten for å reise denne viktige diskusjonen. En fødsel er

fødselsopplevelsen. En god fødselsopplevelse gir grunnlag for bedre psykisk helse i tiden etter fødselen og bedre samspill mellom mor og barn. Studier har vist at kvinnens egen oppfatning av fødselen er viktigere for hennes mentale tilstand i tiden etterpå enn eventuelle medisinske komplikasjoner som oppstår på fødestua. Det er derfor svært viktig å legge til rette for at de fødende skal få en best mulig fødselsopplevelse. fødselsopplevelse. Jeg er derfor glad for at representanten Skei Grande stiller spørsmål ved noen av forholdene som kan skape utfordringer i å nå dette målet. Resultatene av norsk fødselsomsorg er svært gode. Barne- og mødredødeligheten er blant de laveste i verden. Vi har lavere forekomst av keisersnitt enn mange andre vestlige land. Slike resultater kan vi være stolte av. Men det bør arbeides mer for å sikre at kvinnen og hennes partner får en god fødselsopplevelse. De viktigste kravene til fødselsomsorgen framgår av stortingsmeldingen En gledelig begivenhet, fra 2009, og Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud, fra 2010. Helseforetakene har gjort et godt arbeid for å bedre kvaliteten i fødselsomsorgen i årene etter at disse kravene ble stilt. Det er bl.a. etablert følgetjeneste for gravide som bor langt unna fødestedet, og det er innført seleksjonskriterier, som interpellanten også var inne på, for hvilke kvinner som kan føde ved ulike typer fødeinstitusjoner. Disse tiltakene har bidratt vesentlig til å heve kvaliteten i fødselsomsorgen. Blant annet har antall transportfødsler sunket fra 193 i 2010 til 124 i 2014. På landsbasis betyr det at 0,2 pst. av alle fødsler er transportfødsler. Andelen er naturlig nok høyere i fylker med lang avstand til fødeinstitusjon, men antallet er størst i de store byene, som interpellanten var inne på. Fødselsomsorgen har en særlig utfordring ved at fødsler oftest ikke lar seg helt planlegge. Dette fører til store variasjoner i hvor mange fødende som henvender seg til fødeavdelingene. Variasjonene er store fra dag til dag, men det er også sesongvariasjoner med høyest antall fødsler om sommeren, som ikke minst Stortinget har et ansvar for, som interpellanten var inne på. Et eksempel er fødeavdelingen ved Akershus universitetssykehus. Der fødes det fra 5 til 29 barn per dag. Disse variasjonene gjør det ekstra krevende å planlegge bemanningen. Antall fødende som kan tas imot ved de store kvinneklinikkene, påvirkes også av om det er ledig plass ved nyfødtavdelingene. Fødsler omfattes av ordningen med fritt behandlingsvalg. Dermed kan de fødende velge fødested. Men det skjer av og til at den valgte fødeinstitusjonen ikke har kapasitet til å ta imot kvinnen den dagen fødselen starter. Da må det være etablert ordninger som sikrer at den gravide henvises videre til en annen fødeavdeling som har ledig kapasitet. Denne problemstillingen er, som interpellanten var inne på, mest aktuell i Oslo-området, hvor det er flere fødeavdelinger innenfor et begrenset geografisk område. Det er derfor etablert et samarbeid mellom fødeinstitusjonene i og rundt Oslo, slik at disse kan avlaste hverandre ved behov. Det er den fødeinstitusjonen som kvinnen henvender seg til, som har ansvar for å skaffe plass ved et annet sykehus og for å rekvirere ambulanse hvis det er behov for det. I andre deler av landet er problemstillingen mindre aktuell. Helseforetakene har informert meg om at fødende ikke avvises ved kvinneklinikkene i Tromsø, Trondheim, Bergen eller Stavanger. Det hender av og til at den fødende ikke rekker fram til sykehus før fødselen skal skje. I 2014 var 194 fødsler, eller 0,3 pst. av alle fødsler, uplanlagte hjemmefødsler. I Hordaland og Rogaland var andelen uplanlagte hjemmefødsler litt høyere enn landsgjennomsnittet. I Oslo og Sør-Trøndelag var det litt lavere enn landsgjennomsnittet, men forskjellene mellom fylkene var små. Fødeinstitusjonene oppgir at den viktigste grunnen til uplanlagte hjemmefødsler er rett og slett at fødselen går raskere enn kvinnen forventer, ikke at hun blir avvist på fødeavdelingen. Fødeinstitusjonene finner ingen overrepresentasjon av fremmedspråklige fødende blant dem som føder uplanlagt hjemme. Flere fødeinstitusjoner angir at de har lavere terskel for å ta imot fødende hvis det er språk- eller kommunikasjonsproblemer. Ved Kvinneklinikken i Bergen har man åpnet et tilbud som kalles Rede. Tilbudet er for kvinner som er usikre på om de er i fødsel, eller føler seg utrygge på å være hjemme. Her får kvinnen tilbud om å oppholde seg etter vurdering og undersøkelse av jordmor. I løpet av timene kvinnen er på Rede, vil det bli avklart om hun er i fødsel, og hun vil enten bli overflyttet til fødestue eller kunne reise hjem. Dette er etter min vurdering et godt tiltak som andre også bør vurdere. Kvinneklinikken i Bergen har også endret rutinene for Jordmor som bemanner vakttelefonen, tar heller kvinnen inn til vurdering for å trygge framfor å avvise henne. Det samme gjelder hvis det er språkproblemer – da tas hun også inn til vurdering. Disse tiltakene har virket. Haukeland universitetssykehus har registrert en nedgang i antall kvinner som har gitt tilbakemelding om at de har følt seg avvist når de har ringt til Kvinneklinikken. Alle de store fødeinstitusjonene har tilgang til tolketjenester. Men siden fødsler oftest er en akutt hendelse, er det ikke alltid mulig å skaffe tolk under en pågående fødsel. Når det er mulig å planlegge, bestilles tolk eller det brukes telefontolk. Fødeavdelingen ved Bærum sykehus har satt i gang et prosjekt hvor man ser på muligheten til å utvikle kommunikasjonsverktøy for å trygge kvinnen under fødsel. Det skal også sikre at viktig informasjon blir formidlet på en forståelig måte – fra pasient til helsepersonell og tilbake igjen. Hvis dette prosjektet gir gode resultater, bør det også kunne tas i bruk av andre. De nasjonale kvalitetskravene til fødselsomsorgen setter tydelige rammer for hvordan fødetilbudet skal utvikles. Men det er helseforetakene som har ansvaret for at tilbudet tilfredsstiller kravene, slik at de fødende kan få en trygg og god fødselsopplevelse. Høyt fødselstall og svingninger i antall fødsler stiller store krav til organisering og bemanningsplanlegging ved de store fødeinstitusjonene. Dette er arbeid som pågår i dag, og som bør intensiveres. Det er også behov for å legge til rette for mer familiebasert barselomsorg, slik at kvinnens partner kan være til stede i barselperioden. Bruk av tolk bør trolig også økes utover det som skjer i dag. Uplanlagte fødsler utenfor sykehus skjer heldigvis sjelden, og ser man de store byene under ett, skiller de seg ikke fra landet som helhet når det gjelder andelen som føder, men vi ser jo, som interpellanten var inne på, at det er der det største antallet er. Kvaliteten i fødetilbudet er et tema som ofte er på agendaen i diskusjonen mellom meg og helseregionene. Det vil det være også i framtiden. Målet er at tilbudet skal være likeverdig, det skal sikre et godt resultat for mor og barn og samtidig legge til rette for en god fødselsopplevelse for kvinnen og hennes hennes partner. Det er bra at vi nå får oppmerksomhet rundt tilbudet til fødende i de store byene. Som interpellanten var inne på, har det vært veldig mye oppmerksomhet rundt fødetilbudet i distriktene. Vi ser også at fødselsmeldingen og kravene der har ført til en veldig tydelig bevissthet på de mindre fødeavdelingene, god screening av de fødende og ikke minst en kontinuitet i

Da er neste taler Trine Skei Grande

til et svarinnlegg. – Eller til nye spørsmål, president. Det kan det også være. For det første vil jeg understreke at det er veldig mye bra arbeid som pågår. Alle tallene som statsråden legger fram, viser at vi har mange flinke folk rundt omkring i hele landet som jobber med dette, og at det er mye som går bra. Men når man ligger i en bil og har veer,

ville ha vært logisk. Hvis det bare er at fødselen skjer litt fortere enn man tror, skulle det kanskje være én mamma i Finnmark som ikke rakk fram. Men det er det ikke; alle rekker fram i de regionene. Mens i Oslo, i Bergen og i Trondheim ser vi at det er mange som ikke rekker fram. Jeg er bare en stortingsrepresentant, så jeg har ikke hele apparatet til Bent Høie, men jeg har mange borgere som henvender seg til meg. meg. Og når jeg har flere borgere som henvender seg til meg med historier enn det som tallene til Bent Høie oppsummerer, er jeg litt usikker på om de tallene alltid rapporterer helt riktig. Og da skal jeg gå litt til gruppa av minoritetsspråklige og de som ikke alltid vet om rettighetene sine, der jeg personlig har tatt opp saker der det helt klart har blitt underrapportert fordi det ikke er så viktig å rapportere om noen som ikke alltid har ressurser til å stå på. Så rapportering om hendelser stiller jeg også et lite spørsmål til. Mitt hovedspørsmål til statsråden gjelder imidlertid de undersøkelsene som viser at vi i noen år faktisk går i feil retning når det gjelder den lille gruppa som opplever den store tragedien det er å miste barnet sitt i de siste ukene av svangerskapet. Når vi ser at vi har naboland som har så pass stor forbedring av disse tallene, må vi i hvert fall kunne drive forskning og satse på å finne ut hva som faktisk skjer, for de aller fleste foreldre som opplever dette, eller en fjerdedel, får klar beskjed med en gang at dette kommer vi aldri til å finne noe svar på, mens det er andre tilfeller som er mye mer sammensatt. sammensatt. Jeg mener at dette er noe vi plikter å finne ut, at vi plikter å bruke den kunnskapen som våre naboland har brukt for å få det tallet ned, også i norsk svangerskapsomsorg. Så det var to spørsmål: Er også statsråden bekymret for de store byene? Og vil han forske på den gruppa som mister livet sitt de siste

tilbakemelding på at hovedårsaken ikke er knyttet til en avvisning, men til at en kommer for sent til stedet. Da er det også et spørsmål om det kan ha sammenheng med at siden det er kort avstand til sykehuset, tenker en at en rekker fram i tide. Men dette er uansett forhold som det hele veien er viktig å ha oppmerksomhet på. Jeg tror at

at når personer med språkproblemer tar kontakt, skal de ikke bli avvist, men bli invitert til å komme til sykehuset. En veldig klar oppfølging av sykehusene er nettopp at der en får til noe, må de andre sykehusene være flinkere til raskere å lære av det og ta i bruk de samme virkemidlene. Når det gjelder spørsmålet om dødfødsler og barn som dør under svangerskapet, må jeg nesten få komme tilbake til tallene på det, for én ting er utviklingen som representanten refererer til, en annen ting er det samlede nivået. For hvis land som har ligget bak det nivået som Norge lå på – jeg vet at vi i 2008 hadde rapporter som viste at Norge hadde den laveste andelen barn som døde i svangerskapet i Europa – beveger seg i en mer positiv retning enn oss, fordi de har hatt et dårligere utgangspunkt, forteller det noe annet enn hvis Norge ligger dårligere an. Så det må jeg komme tilbake til. Men vi har jo bl.a. nylig fått vedtatt en ny obduksjonslov i Stortinget, som nettopp skal bidra til at vi får mer kunnskap i de tilfeller der mennesker dør, og vi har behov for mer forskning på årsakene. Interpellanten reiser en viktig sak, og det er

men dette er en skanse som må forsvares hver eneste dag. Det kommer ikke av seg selv. Arbeiderpartiet vil ha en trygg og sikker svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge, og det var også vår regjering som la fram stortingsmeldingen En gledelig begivenhet, som statsråden viste til i svaret sitt, som rammer inn de viktigste politiske føringene på dette området. Hovedkonklusjonen i meldingen var en betydelig styrking av tilbudet, og Stortinget var den gangen opptatt av at fødetilbudet ved norske sykehus ikke skulle svekkes av økonomiske årsaker, og ba helseministeren styre de regionale foretakene sånn at økonomiske effektiviseringstiltak eller omorganisering ikke skulle svekke fødetilbudet.

Men det har den siste tiden vært flere saker i media om jordmødre som er bekymret for situasjonen ved fødeklinikkene, spesielt i storbyene våre. Det går på pasientbehandling, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø ved de store fødeavdelingene på grunn av lav grunnbemanning. Flere kvinner har opplevd å bli sendt hjem etter at fødselen har startet. Sånn skal det ikke være. Akkurat som interpellanten påpeker, gir ikke fulle sykehus og misforståelser på fødestuen noe godt bidrag til fødende når det gjelder den tryggheten og omsorgen de trenger i en veldig sårbar og viktig situasjon. Økonomi skal ikke veie tyngre enn de medisinske vurderingene på fødeavdelingene, og sykehusene har fått flere skjulte effektiviseringskrav med denne regjeringen. Regjeringen har heller ikke styrket økonomien ved sykehusene, sånn som de lovet før valget. Det kan være kritisk for mor og barn, og det må helseministeren ta ansvar for og følge opp overfor de regionale foretakene. Så hører jeg at helseministeren har fulgt opp, og at det er rapportert tilbake om en rekke tiltak, særlig ved de største sykehusene. Oslo var dessverre ikke på den opplistingen statsråden ga i sitt svar, og det forventer vi fra Arbeiderpartiets side at blir fulgt opp. Når et samlet storting ved behandlingen av stortingsmeldingen En gledelig begivenhet påpekte akkurat dette med at de økonomiske tiltakene og effektiviseringstiltakene og og omorganisering ikke skal svekke fødetilbudet, vet alle vi at det er sammenhenger her som det er vanskelig å styre i dag-til-dag-situasjonen på sykehusene. Når det er sagt, hadde jo interpellantens parti, Venstre, et enda mindre sykehusbudsjett i sitt alternative budsjett både i fjor og året før. En god svangerskapsomsorg, med nær oppfølging i barseltiden og et trygt fødetilbud, er

Det er derfor positivt at interpellanten velger å fokusere på fødetilbudet også i de store byene. Fra før av er det godt kjent at store reiseavstander, med kryssing av fjorder, fjelloverganger og ofte dårlige kjøreforhold fram til nærmeste sykehus, kan være utfordrende og krevende for mange fødende ute i Vi hører om fødsler som skjer i biler og på ferger underveis til nærmeste sykehus. Heldigvis kan det nå vises til at antallet transportfødsler er noe redusert. Samtidig vil jeg tro at andelen i forhold til antallet innbyggere fremdeles er størst der det er store avstander til sykehus. I slike tilfeller vil den etablerte følgetjenesten med jordmor for en del kunne gi nødvendig trygghet og være til stor hjelp under transport. Vi kan vise til gode resultater i fødselsomsorgen i Norge. Barne- og mødredødeligheten er faktisk blant de laveste i verden. Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake. Vi må arbeide videre med å sikre at de fødende og deres familier får en god og trygg fødselsopplevelse, uansett hvor i landet de bor.

Dette er krav som alle de regionale helseforetakene plikter å følge opp gjennom egne vedtatte planer for fødselsomsorgen. Implementeringen av de regionale planene skal ha ført til at mange helseforetak har økt bemanningen på kvinneklinikkene og på fødeavdelingene. Interpellanten viser til utfordringene med fulle sykehus i Interpellanten viser til utfordringene med fulle sykehus i storbyene, at fødende kan bli avvist, og at de som ikke behersker norsk, eller som ikke kjenner til norsk fødsels- og barselomsorg, kan oppleve språklige misforståelser på fødestuen. Vi vet at antallet fødsler kan variere betydelig fra dag til dag gjennom året, noe som bidrar til at det kan være vanskelig for Det er derfor viktig at helseforetakene utvikler systemer for bemanningsplanlegging som kan bidra til å gjøre det mulig å håndtere områder med store svingninger i aktivitet og pasientbelegg, også i fødselsomsorgen. Det er også viktig å gi ut god informasjon om at også fødsler omfattes av ordningen med fritt behandlingsvalg, noe som betyr at de fødende i god tid før fødselen kan velge Jeg merket meg at helseministeren i sitt svar til interpellanten viste til et etablert samarbeid mellom fødeinstitusjonene i og rundt Oslo, som kan avlaste hverandre ved behov. Det syns jeg høres positivt ut, og jeg håper det blir brukt flittig. Jeg merket meg også at flere fødeinstitusjoner skal ha lav terskel for å ta imot fødende hvis det er Ikke minst var det interessant å høre om kvinneklinikken i Bergen og tilbudet Rede. Det høres både lunt, trygt og koselig ut, med et «rede» der gravide kvinner som er usikre på om fødselen er i gang, kan komme til samtale og vurdering. Slik jeg forsto det, gis det samme tilbudet til gravide med

Men jeg tror også at mannen, som ofte er med kvinnen som skal føde, kanskje er vel så frustrert og usikker. Viktigheten av og tryggheten ved å bli tatt imot på en god måte er kanskje vel så stor for dem, fordi man skal prøve å ta vare på den man har med seg. I tillegg møter man kanskje avvisning og må reise andre steder. steder. Derfor er det utrolig viktig å bli tatt imot på en ordentlig og god måte når man ankommer. Jeg synes også det er veldig bra at interpellanten tar opp noen av utfordringene rundt de store sykehusene. Ofte dreier dette seg om mindre sykehus og om å sikre gode tilbud i distriktene. Man er veldig enig om at det er viktig å sikre gode fødetilbud også i distriktene. Men en del av de problemstillingene som har kommet fram i dag, er også viktige å få fram. Jeg tror ikke så mange har tenkt at det å bli avvist eller det å føde på vei til sykehuset, kanskje ville være et så stort problem i byområdene og i de store byene. Det er viktig å si at et stort problem er jo relativt, men for dem det gjelder, vil det i hvert fall føles som et stort problem. Og 185 som har blitt avvist, er veldig mange. Jeg er glad for at statsråden er veldig tydelig på at han følger opp dette nøye overfor helseforetakene når han har møter med dem, fordi dette er en problemstilling som han er opptatt av, og det er viktig å sikre at samarbeidet mellom sykehus som er i nærheten, også er godt. Det sa statsråden da han viste både til Bergen og til at det også var etablert gode samarbeid i Oslo- og Akershus-regionen. Det er kjempeviktig. Jeg synes prosjektet på Bærum sykehus for å få til bedre kommunikasjon der det er språkproblemer, er kjempeviktig. Jeg håper det kommer til å vise gode resultater, og at det kan være et godt eksempel på hvordan man kan jobbe framover. Jeg har lyst til å peke på at det allerede har kommet flere saker der komiteen har hatt flertallsmerknader sammen med Venstre, og som nettopp omhandler dette området, både det med de regionale helseforetakene og vedtatte planer for fødselsomsorgen med bakgrunn i Helsedirektoratets krav, og at dette har ført til at mange av helseforetakene har økt bemanningen på kvinneklinikker og fødeavdelinger. Det er veldig bra. Flertallet har også minnet om de gode resultatene i fødselsomsorgen i Norge, og at regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti i tre budsjetter har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn det den rød-grønne regjeringen fikk vedtatt gjennom åtte budsjetter. Det finnes enda flere gode eksempler på at man har tatt dette på alvor i helse- og gode eksempler på at man har tatt dette på alvor i helse- og omsorgskomiteen tidligere, og at dette er ting man har fokusert mye på. Jeg synes også det er viktig å påpeke at interpellanten har tatt opp et kjempeviktig område i dag. Ikke minst handler det om tryggheten, det er viktig med trygghet når man er i en usikker situasjon. Spesielt kanskje første gang man føder, tror jeg de aller fleste er veldig utrygge og usikre. usikre. Da er det viktig å bli møtt på en god og fin måte. Jeg tror også at de aller fleste opplever, heldigvis, at de blir tatt imot – og tatt imot med en gang – og at man tar tak i alle de spørsmålene som man kanskje har når man kommer til en fødeklinikk. Derfor er jeg veldig glad for interpellasjonen. Det er viktig at dette følges opp videre. Jeg opplever at statsråden allerede har kommet med gode forklaringer på hva man gjør, og jeg håper at dette fortsatt kommer til å bli fulgt opp, både fra statsrådens side og fra

takk til interpellanten, Trine Skei Grande, for å setja dette temaet på dagsordenen. Starten på livet, frå mors mage til etter fødselen, har stor betydning for både mor og barn. Ei trygg svangerskapshelse veit vi legg grunnlaget for ei betre helse for mor etter fødselen – og eit betre grunnlag for barnet. Som statsråden var inne på, er det veldig mykje bra

Dei skal ha kunnskap om ulike kulturar og språk, som andre òg har vore inne på, og dette er kjempeviktig for at den fødande skal bli forstått og forstår kva som blir sagt. Nok folk og grunnbemanning er difor viktig. Dei fødande må bli like godt varetekne gjennom heile året. Utfordringane er altså store når det gjeld nok personell av jordmødrer, og kapasiteten på avdelingane, altså talet på sengeplassar, må styrkast. Vi har òg andre utfordringar i fødselsomsorga. Vi ser at sjukehusa skriv ut dei fødande mykje tidlegare enn før – dei blir sende tidleg heim, og kommunane tek over. Liggetida på ei barselavdeling i dag er ca. eitt døgn for fleirgongsfødande og eitt og eit halvt til to døgn for førstegongsfødande. Det er ikkje uvanleg at nybakte mødrer reiser heim før dei er klare og så godt førebudde som Mange av kvinnene må i dag reisa tilbake til sjukehuset med barna sine tredje dag for veging, bilydsjekk, oppfølging av gulsott og høyrselssjekk. Dette står i konflikt med mor og barns behov for kvile og ro til dei blir kjende med kvarandre. Dette er like aktuelt anten ein bur i ein by, i nærleiken av ein by eller i ein landkommune.

Vel – så er det nokre fødslar som er planlagde, men det er ikkje mange. Dei fødande må difor vita at når dei treng jordmor og fødestove, må dei få det. Kvart år er det mange kvinner som føder under transport til sjukehus, men det er atskilleg fleire som føder kort tid etter at dei kjem fram til sjukehuset, og opplever situasjonen svært

Hadde vi hatt ei samanhengande svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, hadde det blitt ei svært viktig hending. Det er berre på den måten vi kan få til samhandling, ei samhandling som skal koma den fødande, barnet og heile familien til gode.

i vinter, da vi fremja forslag om nettopp å styrkja kvaliteten og kapasiteten ved kvinneklinikkane og innføra rammefinansiering av tilbodet. Forslaget vart nedstemt av Venstre og regjeringspartia. I 2010 kom det kvalitetskrav for dei ulike fødetilboda, og

så systematisk i dei små fødeavdelingane, hadde dei vorte nedlagde på dagen. I Aftenposten den 16. juli 2015 stod det at det var sprengd kapasitet ved alle fødeavdelingane i Stor-Oslo, inkludert Ahus og Bærum, og at dei fødande måtte krangla seg til ein fødeplass. I Bergens Tidende den 21. september i fjor

I Aftenposten den 17. juli i fjor stod det om ei kartlegging som Jordmorforbundet hadde gjort blant medlemene sine. Det var ein ganske alvorleg informasjon som kom ut derifrå. Halvparten av jordmødrene opplever at dei ikkje får overvaka dei fødande kvinnene tilstrekkeleg. Ei av fire jordmødrer seier at dei må avvise kvinner som er i aktiv fødsel frå fødeavdelinga, og at det sjeldan er nok jordmødrer til å følgja opp barselkvinner individuelt. Dårleg og knapp fødselsomsorg fører òg til dårleg barselomsorg, fordi helseføretaka prioriterer dei knappe midlane til fødetilbodet, og det går kanskje verst høyrer at det i debatten vert sagt at ein har mykje å læra av Kvinneklinikken i Bergen det omtalte Rede. Det er sikkert eit veldig bra tilbod, men det må òg seiast i denne salen, når det vert vist så mykje til Kvinneklinikken i Bergen, at i desse dagane held fylkeslegen i Hordaland på med ei tilsynssak som er oppretta nettopp mot Kvinneklinikken etter bekymringsmeldingar frå dei tilsette på grunn av den pressa bemanningssituasjonen – om det kan vera eit forsvarleg tilbod.

Fødetilbodet er ikkje rammefinansiert, det er 50 pst. innsatsstyrt finansiert. Vi har levert forslag om at det må rammefinansierast og synest det er ulogisk at ein fødsel skal vera aktivitetsbasert finansiert. Det alvorlege er at i dagens finansieringssystem vert komplikasjonar premierte, medan det å sikra ein god jordmorfagleg kompetanse får null ekstra har eitt eksempel: Dersom ei kvinne blør 500 ml i samband med ein fødsel, får fødeavdelinga – på grunn av DRG-kodesystemet – 5 000 kr ekstra. Dette er eit system som må endrast. Vi har levert forslag om det, men vi har ikkje fått fleirtal for det enno. Om transportfødslar må eg berre seia at det som vert sagt om at kvinnene ikkje at dette berre er på grunn av at det skjer hurtige fødslar, er ikkje ein realitet.

Takk til min partikollega Trine Skei Grande for å fremme denne interpellasjonen. Det er viktig at vi også tør å diskutere utfordringer som angår de store byene, og ikke bare tar opp utfordringer som gjelder distriktene. På denne tida for et år siden hadde jeg gleden av å besøke nyfødtintensiven på Lillehammer sykehus. Der fikk jeg for første gang hilse på trillinger og se hvilke utfordringer foreldrepar står overfor når de blir en familie på fem. Nyfødtintensiver er en viktig del av fødselsomsorgen for dem som møter utfordringer tidlig i livet. De er gjerne kjent i svangerskapet også, men organiseringen av disse avdelingene er viktig. På Lillehammer har de med små midler greid å organisere en nyfødtintensivavdeling der alle foreldre får enkeltrom og kan bo sammen med barnet. De har ti senger, de har alle akutte funksjoner i samme etasje og kan gi full respirasjonsstøtte med foreldrene til stede fra

men dessverre er det sånn i Oslo at det er utfordringer med lokaler og kapasitet. Fritt sykehusvalg er nevnt som en mulighet, men selv om Lillehammer har kapasitet, blir det for fødende i Oslo litt langt å skulle reise til Lillehammer for å få et godt tilbud, selv om muligheten altså finnes. Representanten Ingvild Kjerkol var inne på at Venstre har et sykehusbudsjett med mindre vekst enn de andre partiene. Det er helt riktig, vi har prioritert mer til forebygging, tidlig innsats og folkehelse. Men det er verdt å minne om at den forrige regjeringa etablerte Helse Sør-Øst og slo sammen alle sykehusene i Oslo. Det sliter vi med, og det er en mare på flere områder hvordan vi skal bygge oss ut av utfordringene vi står foran i Oslofjord-området, med den befolkningsveksten vi har, og en bygningsmasse som per i dag er spredt rundt på 47 ulike adresser bare i Oslo. Det er mange gamle bygg og mange uegnede lokaler. Det er en stor utfordring. Det er forslag på bordet for å skaffe jeg ser at det er langt fram til man får realisert de planene. Som statsråden var inne på, er det viktig å spille på de miljøene en har i Oslofjord-området. Men vi ser også at ved det nybygde sykehuset i Østfold er liggetida på fire timer. Det sier noe om at verken kapasitet eller kvalitet kan bli optimal når kommunen kanskje heller ikke er så godt forberedt på at liggetida er så kort. For jordmødre og helsesøstre som skal følge opp, er det klart at det er en betydelig utfordring. Når det gjelder debatten om finansiering som Senterpartiet reiser, deler vi langt på vei noen av synspunktene, men det er mange oppgaver i sykehuspolitikken framover. Vi skal bygge mer, det er én ting, men vi skal også styre annerledes. Hvordan vi skal styre, er det viktige temaet det neste året. Før vi gjør noe overilt og stort med finansieringsordningen, må vi finne en ny vei i sykehuspolitikken og ikke ta det litt pø om pø. Takk til interpellanten for å ta opp et veldig viktig tema. Det er

slo opp på en blogg som noen yngre jenter skriver. Der skriver en av de mødrene som har født i Oslo siste år, at i de ni månedene hun gikk gravid, ble Google hennes beste venn. Hun starter med å beskrive en svangerskapsomsorg som ikke har tid nok til dem som er gravide, og som ikke gir svar. Så fortsetter hun med å beskrive at hun har fått innsyn i et system med for lite ressurser og for store mangler, noe som også blir bekreftet av alle de historiene som interpellanten og flere andre er oppe her og forteller, nemlig at mange ikke får komme inn på sykehus før barnet er nesten ute. Jeg hører at statsråden sier at det ikke er slik, og at det kanskje ikke er fordi de har blitt avvist. Jeg vet ikke, men jeg kjenner litt for mange som sier at de har opplevd det. Og sjøl om det er mange år siden, kan jeg bekrefte at det å ligge med veer i bil i lang transport er ingen fornøyelse. Det å kunne komme på sykehus når man er i gang med å føde, i stedet for å bli avvist og høre at nei, vent litt, for dette har vi ikke kapasitet til, står i

for en god stund siden på en måte har bikket den kapasiteten vi bør ha på dette området, for å kunne sikre at de som er i fødsel, får lov til å komme til sykehuset og får lov til å være der mens dette pågår. Det kan jo pågå lenge for ganske mange, og det kan være en kjempepåkjenning i seg sjøl hvis man i den perioden opplever at man ikke får omsorg, og kanskje ikke får hjelp. Det er fullt mulig å bli redd når man er i fødsel. Derfor ber jeg om dette. Jeg vil også nevne, som representanten Kjersti Toppe var inne på, at det senest for to dager siden sto i Bergens Tidende at man sommerstenger jordmortilbudet i Bergen. Det alvorlige i dette er også at de samtidig beskriver at de ikke kommer til å øke kapasiteten på sykehuset. sykehuset. Samtidig vet vi at mange flere føder om sommeren, så dette går ikke i hop. Det må jo bety at flere kommer i den situasjonen som interpellanten beskrev, nemlig at man blir avvist, man kommer ikke inn, flere kommer til å føde, enten på vei til sykehus eller når de nettopp har kommet inn. Det er jo ikke en optimal situasjon at det skjer umiddelbart etter at man kommer inn. Dette handler også om barselperioden, som flere har vært inne på, at den er i ferd med å bli svært kort for veldig mange, og at man planlegger for at den skal bli kortere og kortere. Da er man helt avhengig av at man har et hjemmejordmortilbud, slik som Bergen har, og som de nå nettopp sier at de ikke kan drive med i sommer. så er det ut igjen – og at man samtidig ikke har kapasitet til å besøke de som er i barsel, hjemme. Et av temaene som interpellanten tok opp, og hvor jeg tror hun har et veldig godt poeng, er at den seleksjonen som foregår på de mindre sykehusene, som ikke har store fødeavdelinger, er god – de klarer å selektere dem som trenger bedre oppfølging, og så får de det – og at man i sentrale strøk, der det er kort veg til en stor fødeavdeling, ikke gjennomfører den seleksjonen godt nok, slik at man der kan ta imot dem som trenger det, på en bedre måte enn det som gjøres i dag.
sykehusene. Da er neste taler Trine Skei Grande

men det er ikke sikkert at en telefon til en jordmor som sier man skal vente litt til, og en ny oppringning og igjen vente litt til, og en ny oppringning og enda mer venting, blir loggført i disse grafene som helseministeren får. Men det er veldig mange tilbakemeldinger til meg som folkevalgt fra Oslo på at det nettopp er det folk opplever. Jeg vil si til representanten Hoksrud om

mange som opplever kort liggetid etter fødsel, men jeg må bare si at det å ha en mal for hva som er ideelt på det området, er ikke jeg for. Det er klart at hvis en er førstegangsfødende fra et veldig likestilt hjem, kan det av og til være godt og behagelig og rolig å komme hjem. Er en mor til seks i et ikke veldig likestilt hjem, Så mener jeg at kanskje kunne fødselsomsorgen i de store byene lært noe av de små sykehusene når det gjelder selektering, og det å finne ut hvem det er som har utfordringer. Men jeg har statsråden, som mener at alle tall er relative. Da skal jeg gi noen ikke-relative tall. De tallene som jeg la fram, er fra en Lancet-rapport som sier noe om dødelighet i løpet av de siste ukene i et svangerskap. Hvis man teller fra 28. svangerskapsuke, er det i Norge i 2013 2,3 barn som dør, per 1 000, mens det har økt til 2,8 per 1 000 i 2014. I Nederland er det 1,8 per 1 000. Det er faktisk veldig store forskjeller i de faktiske tallene, ikke i de relative tallene, og jeg syns at det er et alvor som vi må ta inn over oss, for det er ingen av de barna vi egentlig kan miste. Jeg takker for en god diskusjon. Jeg oppfatter at det er

grunnlag for forskning, bl.a. knyttet opp mot det forholdet som interpellanten tok opp når det gjelder dødfødsel under svangerskapet. Når det gjelder hovedstadsområdet spesielt, er det ingen tvil om at en her har utfordringer knyttet til kapasitet. Det jobbes det nå med, og vi vil i løpet av ikke så altfor lang tid også avklare hva som skal være utviklingen av sykehustilbudet i Oslo og avklare hva som skal være utviklingen av sykehustilbudet i Oslo og i hovedstadsområdet. Jeg mener at en hovedløsning her ligger i at sykehusene, som mange andre områder, lærer bedre av hverandre. Her handler det om – som jeg var inne på – at mange av de større sykehusene nok også har en del å lære av de mindre. Men så vil jeg være veldig tydelig på at løsningen ikke ligger i fortiden. Hvis vi går tilbake i tid, da en hadde flere steder å føde på, lengre liggetid og for så vidt også rammefinansiering – som representanten Toppe tok til orde for – var kvaliteten på norsk fødselsomsorg dårligere enn i dag, dvs. at det som har vært utviklingen, har gitt bedre kvalitet. Det sier jeg ikke fordi vi ikke skal ta tak i det som er dagens utfordringer, men jeg vil være veldig tydelig overfor dem som tar til orde for å peke tilbake igjen – eller snu seg – for å se på hvordan det var før, og som tror at det ville gitt et bedre tilbud, at svaret på det er nei. Vi vet at tilbudet, kvaliteten resultatene er bedre nå enn før – den gangen en kunne føde på betydelig flere steder, den gangen en lå mye lenger i barsel, og den gangen en hadde rammefinansiering. Dermed er debatten i sak nr. 3 omme. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen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

og at det er en sammenheng mellom det totale inntaket av alkoholholdig drikk og skadeomfanget som følge av bruken. Alkohol er uomtvistelig det mest brukte rusmiddelet. Derfor er det viktig at vi har en løpende debatt om skadevirkningene. Alkoholbruk påvirker folkehelsen negativt. Overdrevet alkoholforbruk påvirker helsestatusen både for den enkelte og for befolkningen samlet sett. Hele komiteen stiller seg bak at Norge har sluttet seg til Verdens om en nedgang på minst 10 pst. i skadelig bruk innen 2025. Et stort flertall i komiteen støtter imidlertid ikke representantforslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi. Det betyr ikke at flertallet er mot å ha en helhetlig alkoholpolitikk. Det er vel mer et uttrykk for at en allerede har igangsatt en rekke tiltak som en vil se virke sammen. Det viktigste vi kan gjøre, er å føre en forutsigbar alkoholpolitikk der hovedlinjene ligger fast. Sånn vil en også oppnå bredest mulig støtte i befolkningen. Hvis flertallet i befolkningen mister troen på en streng alkoholpolitikk, vil oppslutningen om den falle. Det betyr at særnorske ordninger som Vinmonopolet, et høyt avgiftsregime, reklameforbud og åpningstidsrestriksjoner vil kunne bli utfordret. Disse virkemidlene har hatt god effekt. Norge har lavt forbruk i europeisk sammenheng, og trenden er at forbruket blant ungdom synker. Derfor vil det også i fremtiden være viktig å ha disse virkemidlene for å sørge for begrenset forbruk av alkohol. Selv om det foretas mindre justeringer i enkelte virkemidler, ligger kjernen fast og bidrar til å begrense alkoholbruken. Stortinget har behandlet flere meldinger fra regjeringen som skal bidra til bedre folkehelse, og redusere skadene og ulempene som følge av alkoholbruk. Både folkehelsemeldingen og opptrappingsplanen for rusfeltet inneholder nye tiltak som vi skal iverksette fremover, for å nå de alkoholpolitiske målene. Som eksempler på tiltak som skal bidra til redusert alkoholbruk, trekker både en samlet komité og statsråden i sitt brev til komiteen frem å styrke arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging, å komme tidligere inn på sentrale arenaer for å forebygge uheldig rusbruk, f.eks. på svangerskapskontroll og etter ulykker og vold, utviklingsarbeid for å etablere program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rusforebyggende arbeid fastsette indikatorer for å følge utviklingen i målet om å redusere for tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer. Målet og forventningene er at de eksisterende virkemidlene og de nye tiltakene samlet skal bidra til fornuftig og begrenset alkoholbruk. Samtidig vil jeg legge til at alkohol nok har kommet for å bli. Alle her i salen ønsker en best mulig folkehelse og innser at det er viktig å begrense alkoholbruken i befolkningen. Dette henger nøye sammen med resten av folkehelsepolitikken. Vi er også enige om å arbeide for å nå målet om minst 10 pst. reduksjon i skadelig forbruk av alkohol innen 2025. Flertallet i komiteen bestrider imidlertid at det er behov for nok et utvalg, denne gangen for å utarbeide en strategi for å nå dette målet. Generelt bør vi i helsekomiteen nøye vurdere situasjonen før vi bestiller nye strategier, handlingsplaner, utredninger eller utvalg. Som Arild Aspøy påpeker i Aftenposten 21. mai i år: I de to første sesjonene i nåværende periode har det vært nesten fem ganger så mange anmodningsvedtak sammenlignet med under forrige regjering. Bare i fjorårets sesjon var det 192 slike vedtak. Arbeiderpartiet er

er det rusmiddelet som gir størst helseutfordringer. Det er legalt og ofte knyttet til sosiale sammenhenger som oppleves som positive for mange, men også som en utfordring for et stort mindretall som har utfordringer med sitt alkoholforbruk. Alkohol representerer ikke bare en helserisiko, men skaper en krevende oppvekst for over 70 000 barn som vokser opp med foreldre som sliter med En stor andel av akutte helseskader, ulykker og vold blant ungdom skyldes direkte eller indirekte alkohol. Arbeiderpartiet er enig med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om mye når det gjelder behovet for en mer offensiv alkoholpolitikk, men vi er uenige om hvorvidt en egen nasjonal alkoholpolitisk strategi er det best egnede verktøy. Skal vi lykkes med å redusere skadene som følge av ukontrollert alkoholforbruk, mener vi det er viktig å se de ulike rusutfordringene i sammenheng, og at alkohol blir en vesentlig del av Stortingets framtidige helhetlige rusplan. Arbeiderpartiet legger spesielt vekt på forskning som viser at alkohol er hovedinngangen til illegale rusmidler, og at de fleste rusavhengige har et blandingsbruk. Vi mener det derfor er viktig med en helhetlig tilnærming til forebygging, behandling og ettervern av ulike former for rusavhengighet. Det gjelder også feilbruk av legale legemidler, som etter vår mening får altfor liten oppmerksomhet. Vi har også erfart at handlingsplaner ofte har sine begrensninger ved at de ikke klarer å se helheten, og ikke blir noe godt verktøy for ikke blir noe godt verktøy for politikere som både lokalt og nasjonalt ønsker å ta grep, både med forebygging og med å utvikle helhetlige behandlingstilbud og ettervern. Arbeiderpartiet mener det er riktigere å styrke alkoholens plass i rusplanen framfor å splitte feltet opp. Arbeiderpartiet har foreslått å styrke fastlegenes rolle for å forebygge helseskade som følge av alkohol. Alkohol er fortsatt tabubelagt, og spesielt for mange kvinner er det knyttet til skam. Det er fortsatt mange fordommer blant fastleger om å ta i bruk kunnskapsbasert kartleggingsmetodikk, og fastlegene mangler kunnskap om behandlingsalternativer og sammenheng mellom alkohol og forekomster av ulike somatiske og psykiatriske helseproblemer. Vi mener det må utvikles oppdaterte veiledere til fastleger om hvordan man får til den gode samtalen om et så sårbart tema. Tidlig intervensjon er en effektiv forebygging av rusproblematikk og -avhengighet. Vi etterlyser også mer forskning på sammenhengen mellom alkohol og helse. Arbeidslivet er en viktig arena for det rusforebyggende arbeidet. Vi er opptatt av å styrke Akan-arbeidet og det partssammensatte arbeidet. Vi har også etterlyst bedre kunnskapsgrunnlag for spesielt lokalpolitikere, slik at de kan sette inn rett tiltak og har mulighet til å se hva som virker. Under høringen viste Actis til Verdens helseorganisasjons måleindikatorer som er tatt i bruk i flere land. Vi utfordrer regjeringen til å utvikle måleindikatorer basert på de som Verdens helseorganisasjon bruker, gjerne supplert med indikatorer som vi er spesielt opptatt av i norsk helsepolitikk. På den måten kan vi se utviklingen mellom de ulike landene og ikke minst kan både lokalpolitikere og nasjonalpolitikere vite hvilke tiltak som bør settes inn, og om tiltakene har effekt. Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Det er

Jeg mener at vi allerede har gjort det, og i tillegg har vi gått litt lenger, for vi gjør faktisk noe med det. Vi har gjennom flere stortingsmeldinger, bl.a. folkehelsemeldingen og opptrappingsplanen for rusfeltet, skissert tiltak vi mener kan bidra til en åpen, ivaretakende og informativ tilnærming. Vi vet at alkohol er direkte og indirekte årsak til både sykdom og død. Vi vet at alkoholforbruket er økende blant kvinner og blant eldre. Vi vet at barn og unge lider i hjem hvor en eller begge foreldre har et stort alkoholforbruk. Så hvorfor er vi ikke alle samstemte om at alkohol er djevelens munnvann og bringer både død og fordervelse? Jo, fordi vi ser at folk flest klarer å omgås alkohol på en fornuftig måte, selv om flere har lagt seg til kontinentale drikkevaner. Vi vet at nordmenn liker å nyte et og vi vet at lønningspilsen kan være viktig for både samhold, kameratskap og godt arbeidsmiljø. Det er fristende å sitere den engelske journalisten Gilbert Keith Chesterton, som levde fra 1874 til 1936. Han sa: Gå til glasset med din glede, men ikke til flasken med din sorg. For det handler litt om at den tradisjonelle norske helgefylla har endret seg. Det er mer fokus på kvalitet framfor kvantitet, framfor kvantitet, og det skyldes bl.a. nordmenns endrede reisevaner, større utelivstilbud og bredere produktspekter, for å nevne noe. Det er viktig å huske på at alkohol er en lovlig vare i Norge, og at bryggerier, dagligvarebutikker og utelivsbransjen representerer tusenvis av arbeidsplasser. Det er verdt å minne om tall fra SIRUS som viser at alkoholkonsumet i Norge er på omtrent samme nivå som i er det viktig for myndighetene å finne den gylne middelvei mellom tilgjengelighet, avgifter, bruk og restriksjoner. Gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet skal vi forbedre, forsterke og samordne innsatsen. Det skal skje overfor mennesker som står i fare for eller er i ferd med å utvikle et problem, eller allerede har lette eller moderate rusproblemer, og selvsagt for dem som har alvorlig rusavhengighet, samt deres pårørende. I opptrappingsplanen er det lagt frem en oversikt over hovedutfordringene også for alkoholforbruk og -misbruk, samt kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. Opptrappingsplanen tar for seg tre innsatsområder: tidlig innsats, behandling og ettervern. Spesielt fokus gis barn og unge, pårørende og arbeidsliv. Av tiltak som settes inn, kan jeg nevne: styrke kompetansen om rus både i kommuner og i styrke arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging, som representanten Stensland også nevnte, og utvidede forebyggingstiltak i kommunene, både på skoler og i helsetjenesten. Vi må lære oss å se etter faresignaler hos unge mennesker tidlig, ta ansvar og sette inn tiltak, bl.a. gjennom å intervenere. Vi må følge med på utviklingen av dødsfall som følge av rusmisbruk, og vi må ha en kontinuerlig oppdatering av veiledere og annet informasjonsmateriell når ny kunnskap foreligger. I behandlingen av opptrappingsplanen for rus på Stortinget var det bred enighet om dens strategi, mål og tiltak. Det er også på sin plass å nevne at planen fikk bred oppslutning i helse- og omsorgskomiteens høring. Da er det for meg litt uforståelig at det nå legges frem et ønske om en ny strategi. Til slutt: Man skal være litt forsiktig med å forsøke å bringe

mitt. Alkoholmisbruk har store kostnader for enkeltmennesker, samfunn og arbeidsliv. Når Kristelig Folkeparti, sammen med Senterpartiet, at det må synliggjøres hvilke valg vi har, og hva vi bør foreta oss i alkoholpolitikken for å oppnå det vi selv har bestemt – å nå målsettingen om å begrense skadene, slik Verdens helseorganisasjon viser, og redusere dem med 10 pst. – trengs det en helhetlig tilnærming alkoholpolitikken. Jeg må si jeg er overrasket over at forslaget ikke får støtte fra et flertall, for på andre felt er vårt land blant dem som er tidligst ute eller tidlig ute med å nevne forebygging og med å lage strategier for å nå et mål. mål. Jeg må spørre: Hva er det som er så spesielt med alkoholfeltet i Norge? Det arbeidet skal få lov til å være tilfeldig, stykkevis og delt. Arne Johannessen, som er styreleder i Actis, som i mange år var tillitsvalgt i politiet, og som var lensmann over lang tid, sier: «Vi har allereie ein del verkemiddel i reguleringa av alkohol.» Og når det gjeld skadeleg bruk av alkohol går ikkje rette vegen, og regjeringa er langt unna målet om ti prosent reduksjon. Utan ein strategi for å nå målet, er det diverre liten grunn til å tru at me vil nå det.» Kristelig Folkeparti mener at vi bør ha en alkoholstrategi som går på tvers av sektorer. Vi foreslår at det skal oppnevnes et utvalg – noen har kalt det et superutvalg – som skal utarbeide denne strategien, sånn at vi faktisk når det vi selv har bestemt. Norsk Sykepleierforbund påpekte i sin høringsuttalelse at det er litt merkelig at Norge gir innspill til EUs alkoholstrategi, men mangler en egen strategi

Mens alkoholforbruket i EU og Europa synker, går utviklingen i vårt eget land feil vei. I løpet av de siste 20 årene har det totale alkoholforbruket blant nordmenn økt med nesten 50 pst. Det er i dag anslagsvis 90 000 storforbrukere av alkohol i Norge, og mange flere enn det har andre helseproblemer i tillegg. Omfanget av og mange flere enn det har andre helseproblemer i tillegg. Omfanget av helseskader forårsaket av alkohol er anslått å være fire ganger høyere enn for andre rusmidler. Likevel velger flertallet en strategi som kan hjelpe oss med å nå målet om å hjelpe de 90 000 pluss alle de andre, vil vi ikke ha, og vi vil ikke jobbe så målrettet for å nå de 10 prosentene, men aller mest for å hjelpe enkeltmennesker og familier, eller for å redusere samfunnskostnadene, få ned fraværet i arbeidslivet og skape en større sikkerhet. Det er for meg Ønsker representanten Bollestad å ta opp forslaget? Jeg tar opp forslaget. Da har representanten tatt opp det

anslår ein at mellom 50 000 og 150 000 barn lever saman med foreldre med eit risikofylt alkoholkonsum. Vi som er forslagsstillarar, viser i representantforslaget til målsettingane i alkohollova, som eg meiner ofte vert gløymt når vi har saker til behandling. Sjølve målsettinga for alkohollova er å avgrensa det totale alkoholforbruket i befolkninga. Det må vera samsvar mellom liv og lære, som representanten Bollestad sa. Når eit samla storting seier at det er eit politisk mål å redusera det totale alkoholforbruket, og vi no har sett eit tal på det – den skadelege bruken skal ned med 10 pst. – synest eg det er rimeleg at Stortinget er så ærleg at vi tør å levera ei sak som viser korleis vi skal nå desse måla, elles kan vi verta skulda for å vera lite truverdige på dette politikkområdet.

frå regjeringa som kvar for seg ikkje er så store, men som i sum gjer at ein kan vera bekymra for om dei fører til det motsette av det som er formålet med alkohollova. Vi meiner det trengst ei heilskapleg tilnærming i alkoholpolitikken som på andre politikkområde, òg i helsepolitikken, og foreslår at ein skal setja ned eit breitt samansett utval som får i mandat å utarbeida eit forslag til nasjonal alkoholstrategi, som gjer at vi når måla våre. våre. Det gjeld ikkje berre målet om 10 pst. reduksjon av skadeleg alkoholforbruk, men òg målet om å redusera livsstilssjukdomar, altså diabetes, hjarte- og karsjukdomar, kreft og kols, med 25 pst. innan 2025. Omtrent halvparten av EU-landa har i dag slike strategiar, i tillegg til store land som Canada, Australia og New Zealand. Og som representanten Bollestad sa, er det eit paradoks at vi er med og gir innspel til EUs strategi, men vi har ikkje ein strategi i botnen sjølve. Vi har i forslaget omtalt kva slags område vi meiner ein bør sjå på tiltak for. Det er store felt i samfunnet. Men eg registrerer at vi får forbausande liten støtte til forslaget. Men eg registrerer at vi får forbausande liten støtte til forslaget. Eg har eit par kommentarar til argumentasjonen for ikkje å stemma for. Til Arbeidarpartiet, som elles har stått veldig på lag med oss når det gjeld alkoholpolitikk: Dei viser til opptrappingsplanen for rusfeltet. Det er på ein måte eit argument som kan kjøpast, men når Arbeidarpartiet har kritisert nettopp opptrappingsplanen for rusfeltet for ikkje å vera tydeleg nok på alkohol,

Kvifor skal vi ikkje tora å ha ein strategi for alkohol? Finst det eitt argument for kvifor vi skal ha ein strategi for å redusera tobakksforbruket, mens vi ikkje skal ha ein strategi for alkohol?

Men så har de også en annen alkoholpolitikk og langt større utfordringer enn det Norge har. Venstre har valgt ikke å slutte seg til dette forslaget om at vi skal utarbeide en alkoholstrategi nå. Som flere har påpekt, er et av de viktigste argumentene at vi nylig har vedtatt en opptrappingsplan på rusfeltet stor sådan – og det er en betydelig innsats som skal settes inn de neste årene. Vi er nødt til å bruke ressursene på alle de tiltakene. Noe av ressursene må vi også bruke på en bedre systematikk. Jeg vil nevne det forrige regjering gjorde – prisverdig – innenfor folkehelse, ved å gi et tydeligere ansvar til kommunene, og også til fylkene, noe vi har strammet til under dagens regjering og dagens flertall. Og de folkehelsekoordinatorene som er i ferd med å komme på plass i de fleste kommunene, er viktige aktører for å koordinere innsatsen. Det er noe ulikt organisert, noen har dem i stab under rådmannen, andre har dem i helseetatene sine. Det er viktig at de i hvert fall er på plansida og koordinerer fagfeltet og sørger for at tiltakene settes inn tidlig. Fastlegene har også en viktig rolle, som representanten Ruth Grung var inne på. Jeg har snakket en del med fagfolk om alkoholutfordringene, og jeg møter fastleger som ikke har noe forhold til antabus, som mener at det er avleggs og gammeldags medisin, mens jeg møter russpesialister som lurer på hvorfor i all verden vi ikke stimulerer til å få flere ungdommer til å ta det i bruk. Det er noe med å unngå å skape denne avhengigheten tidlig, og det er nok noe å gjøre på innsatsen her. Men det krever ikke nødvendigvis en strategi, og hovedlinjene som de fire flertallspartiene er enige om, er viktig å jobbe med. Vinmonopolet, som flere har vært inne på, er viktig, men utfordres av salg gjennom taxfree-ordningen og gjennom kjøp i utlandet, og også gjennom illegal import. Taxfree-ordningen er også viktig å diskutere, og vi trenger ikke en strategi for å diskutere den. Nå skal alle partiene inn i programprosesser, og for de neste fire årene er det da viktig at flere partier diskuterer: Hva skal vi gjøre med taxfree-ordningen i fortsettelsen? reklameforbudet og åpnings- og skjenketidsbestemmelsene: Nå har vi nylig også vedtatt nye skjenkebestemmelser og tilsyns- og oppfølgingssystemer med prikkbelastning. Det er også noe av den systematikken som er viktig med tanke på overskjenking. Så vil jeg svinge innom avgiftspolitikken, for den er en viktig del av dette. Det er med litt forundring jeg ser at de siste ti årene har spritavgiftene nesten ikke økt. Det er der mye av det store, skadelige forbruket ligger. Det er noe vi definitivt bør se på. Ølavgiftene har steget voldsomt i disse årene. Jeg synes det er årene. Jeg synes det er god grunn til å se på det, på samme måte som for tobakk og snus, slik at vi setter inn avgiftene og tiltakene der det virkelig har en effekt. I dag er det ikke helt symmetri her og har heller ikke vært det helt politisk. Det er derfor en viktig debatt de neste årene hvordan vi innretter dette med best mulig effekt.

Men jeg må nok innrømme at jeg er i tvil om at man egentlig mener det. «Hva er det som er så spesielt med alkoholfeltet i Norge?» spurte representanten Bollestad. Det kunne jeg si ganske mye om at det er mye med alkohol som det er tabu å diskutere, og som det er vanskelig for mange å forholde seg til, fordi man oppfatter at sitt eget forbruk aldri er problematisk, at det er en del av kosen, og at det etter hvert eter seg inn i absolutt alle sosiale sammenhenger der folk møtes, hvis noe skal kalles kos. Så det er mye med alkohol, og det er mange områder det påvirker. Jeg skal ikke snakke om barn i dag, sjøl om det kunne være virkelig grunn til det når det gjelder alkohol. Men jeg skal bl.a. nevne noen av de tallene som forskningen viser. Det er at 30 pst. av det totale fraværet i arbeidslivet sies å være alkoholrelatert. 15 pst. av langtidsfraværet er det. det. Denne salen diskuterer veldig ofte om man skal ta en karensdag, eller hva skal vi gjøre med sykelønnsordningen, og sykefraværet koster fryktelig mye. Her er en av årsakene. Dette er en av de store årsakene til sykefravær. Men vi tør nesten ikke snakke om det. Akan ble nevnt her. De gjør et kjempeviktig arbeid. Men samtidig er det representanter som minner om at fredagspilsen er veldig hyggelig og bra. Ja, men den kan være like ekskluderende, særlig for dem som sliter med alkoholproblem, og som da er ekskludert fra det som skal være limet i en sosial sammenheng, også på jobben, fordi det alltid rotes inn i dette. Jeg har også lest Folkehelserapporten fra 2014, som anslår at innleggelser på sykehus har økt voldsomt de siste 20 årene på grunn av rusrelaterte og spesielt alkoholrelaterte forhold. Det anslås at 15 til 20 pst. av alle innleggelser på sykehus er rusrelatert, og at Dødstallene på alkoholbruk har gått bittelitt ned de siste årene. Det betyr at det går litt ned ‒ og det er bra. Det er store, alvorlige problemer knyttet til dette, og jeg synes det er veldig rart at man ikke har lyst til å lage en strategi for å se hvordan de ulike elementene virker sammen, for det er jo tydelig at det er noe som ikke er helt bra med dette, når det er så store problemer knyttet til det i samfunnet. Det var en representant for Fremskrittspartiet som var oppe og mente at helge- og stupfylla var over, og at nå drakk nordmennene kontinentalt. Jeg tror dessverre at man og at det er en av grunnene til dette. Alkoholforbruket går etter statistikken nå ned i de yngste aldersgruppene ‒ det er kjempebra ‒ men det øker i den unge voksne befolkningen. Det er alvorlig, fordi det også betyr at man legger seg til et alkoholforbruk som over tid kan være skadelig, sjøl om det ikke medfører store sosiale problemer der og da.

at det vi gjorde i vår regjering var å gjøre om sprit til vin. Det blir det mindre alkohol av, mens det denne regjeringen har gjort, er å gjøre om tobakk til sprit. Det blir det mer alkohol av. Jeg vil bare bemerke at det siste er feil. Det

Det er likevel ikke dette rusmidlet som får størst oppmerksomhet i rusdebatten. Det er viktig at vi også snakker om problemene og utfordringene som følger med alkohol, både på samfunnsnivå, for den enkelte og for andre enn dem som bruker alkohol selv. Alkoholbruk er blant livsstilsfaktorene som påvirker folkehelsen mest i negativ retning. På befolkningsnivå er det en klar sammenheng mellom forbruk og negative effekter. Økt alkoholforbruk i befolkningen gir økte skader og ulemper. Tilsvarende vil redusert forbruk gi færre skader og ulemper knyttet til alkohol. Norge har derfor sluttet seg til Verdens helseorganisasjons målsetting om en nedgang på minst 10 pst. i skadelig bruk innen 2025. Jeg støtter ikke representantforslaget om å utarbeide en særlig alkoholstrategi, men jeg mener at forslaget på en god måte synliggjør at vi trenger en god og helhetlig alkoholpolitikk. alkoholpolitikk. Jeg mener vi har det i Norge. For å nå målet om redusert skadelig bruk av alkohol må vi også se på nye tiltak. Det aller viktigste er imidlertid å videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk. Den norske alkoholpolitikken er i stor grad basert på befolkningsrettede tiltak, særlig regulatoriske tiltak for å begrense tilgjengeligheten. De viktigste er Vinmonopol-ordningen, bevillingskrav for salg og skjenking, og åpningstider. Vi har også tatt i bruk andre typer tiltak som skal virke dempende på etterspørselen etter alkohol. Dette gjelder spesielt avgifter og ikke minst reklameforbudet. Virkemidlene vi har tatt i bruk, har god effekt. Norge har et lavt forbruk i europeisk sammenheng, og trenden er at forbruket blant ungdom synker. De regulatoriske virkemidlene vi allerede har tatt i bruk, vil fortsatt være viktige for å sørge for et begrenset forbruk av alkoholholdige drikkevarer. Selv om det foretas mindre justeringer i enkelte virkemidler, ligger kjernen fast og bidrar til å begrense alkoholbruken. Regjeringen har fremmet flere meldinger til Stortinget som skal bidra til å bedre folkehelsen og redusere skadene og ulempene Både folkehelsemeldingen og opptrappingsplanen for rusfeltet, som Stortinget har behandlet, inneholder nye tiltak som skal iverksettes framover for å nå målene knyttet til alkoholbruk. Eksempler på nye innsatsområder for å begrense alkoholbruken er: å styrke arbeidslivet som rusmiddelforebyggende arena å etablere et program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rusforebygging å komme tidligere inn på sentrale arenaer for å forebygge uheldig rusbruk, på svangerskapskontroll og etter vold og ulykker Målet og forventningene er at de eksisterende virkemidlene og de nye tiltakene samlet skal bidra til fornuftig og begrenset alkoholbruk. Vi vil lage egne indikatorer slik at vi kan følge utviklingen i arbeidet med å nå målet om å redusere for tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer. Vi er alle enige om at det er viktig å sikre god folkehelse. Vi er enige om å føre en folkehelsepolitikk som gir hele befolkningen mange leveår med god helse og trivsel. Vi er enig i at det er viktig å begrense bruken av alkoholholdige drikkevarer i befolkningen. Vi er enige om å arbeide for å nå målet om 10 pst. reduksjon i skadelig forbruk av alkohol innen 2025. Det vi derimot ikke er enige om, er om det er behov for et nytt utvalg som skal utrede en strategi for å nå dette målet. Jeg kan ikke se at en slik strategi vil tilføre noe utover det vi allerede har utredet og planlagt av eksisterende og nye tiltak framover. Det blir replikkordskifte. Fastlegerollen er i endring – fra å være den som kanskje alene definerte helseutfordringen, til gjennom dialog og brukermedvirkning å komme fram til en felles forståelse av helseutfordringen – til kanskje det som trengs nå, som er å tørre å ta opp de sårbare og vanskelige temaene.

i vanlige konsultasjoner, er det nok litt ulike vurderinger om det fra forskningsmiljøet. Det er viktig at tiltakene vi iverksetter, er kunnskapsbaserte, og at vi setter inn ressursene riktig. Men det er helt klart at det er viktig å bidra til at fastlegen har god kunnskap om sammenhengene mellom alkoholbruk og
Jeg forstår helseministeren slik at han vil følge opp den nye kunnskapen som nå er kommet fram på området. Det andre spørsmålet er sikkert ikke overraskende, men i innlegget mitt tok jeg opp dette med Verdens helseorganisasjon, som har utviklet måleindikatorer som Actis viser til at flere land har tatt i bruk. bruk. Det bør jo være i Norges interesse å ha måleindikatorer, slik at vi kan sammenstille oss med andre land og gjerne utvikle egne i tillegg på de områdene som vi ønsker å følge opp spesielt. Spørsmålet er: Vil helseministeren ta initiativ til at vi får utviklet måleindikatorer etter modell fra Verdens helseorganisasjon? Det er Folkehelseinstituttet som har ansvaret for å utvikle denne typen målinger i Norge, og vurdere hvilke måleinstrumenter som skal brukes. Folkehelseinstituttet er tett inne på det arbeidet som foregår i Verdens helseorganisasjon. Jeg synes det er viktig at det fagorganet som vi nå har styrket, og som skal gi oss kunnskapsgrunnlag i helsetjenesten, er det som gjør vurderingen av hvilke måleparametere som
Kjersti Toppe

Eg sa i innlegget mitt at vi har ein strategi på tobakk, og etter eit raskt søk på regjeringa sine sider ser eg at det er fremja veldig mange strategiar frå regjeringa: ein avfallsstrategi, datakrimstrategi, EØS-strategi, FoU-strategi i Samferdselsdepartementet, strategi for bustadmarknaden – det er på andre felt enn helse, men likevel. Kva er grunnen til at statsråden meiner at akkurat på alkohol treng vi ikkje ein overordna strategi for arbeidet? Det er fordi jeg mener at den strategien allerede finnes i folkehelsemeldingen og opptrappingsplanen for rusfeltet. Der har Stortinget sluttet seg til retningen og målsettingene og hvilke virkemidler en skal prioritere i årene framover. Derfor er jeg opptatt av at vi istedenfor at vi nå bruker tid, penger og ressurser på et utvalg, bruker ressursene på å gjennomføre den strategien på alkoholområdet som er i tråd med det som er i folkehelsemeldingen og i opptrappingsplanen for rusfeltet. Eg er opptatt av at det målet på alkoholområdet som eit samla storting har slutta seg til, om 10 pst. reduksjon i skadeleg bruk av alkohol, vert nådd. Det er bakgrunnen for forslaget. Eg er i tvil om Noreg vil nå det målet med dei tiltaka som er vedtatte. Kan statsråden forklara korleis dei vedtatte endringane av f.eks. alkohollova skal bidra til 10 pst. reduksjon? Og ser statsråden behov for å koma med nokon nye tiltak dersom statsråden ser at utviklinga går i feil retning? Utgangspunktet er at Norge, når det gjelder de sterkest virkningsfulle regulerende tiltakene som finnes, sannsynligvis er det landet, iallfall i Europa utenom Sverige, som har iverksatt mest systematisk, og med størst kraft. Så for Norges del vil det da være å komme videre og se etter andre måter å jobbe på for å forsterke dette. Vi har en positiv utvikling ved at samlet alkoholkonsum har gått ned siden 2008. Ungdom starter med å bruke alkohol senere, og de drikker mindre. Vi har en utfordring knyttet til noe som sannsynligvis er et resultat av likestillingen, at kvinner drikker mer, og samtidig at vi lever lenger og pensjonistene derfor drikker mer. Men vi er nødt til å gå inn på en ny arena, som jeg har vært inne på – arbeidsliv, folkehelsearbeidet i kommunen – i tillegg til de andre tiltakene som jeg var inne på, for å nå målsettingen. Det kom fram det faktum at Noreg bidrar inn mot EU sin alkoholstrategi utan at vi har ein strategi sjølve å henta det frå. Men eg kunne tenkt meg å høyra kva statsråden og regjeringa bidrar med inn mot EU sin alkoholstrategi. Det er flott at vi bidrar, men kva konkret er det kva konkret er det Noreg bidrar med inn mot EU? Blant annet er det sånn at en del av de EØS-midlene som brukes i EU, brukes til folkehelsetiltak i en rekke land. Men det er også sånn at Norge deltar i EU i de formelle EU-ministermøtene og jobber for, sammen med ikke minst med våre kolleger i EU i de formelle EU-ministermøtene og jobber for, sammen med ikke minst med våre kolleger i Sverige, å holde alkohol og arbeidet med alkoholstrategien høyt på den helsepolitiske agendaen. Det som er et prioritert område nå, er å jobbe for forståelsen av betydningen av å få innholdsmerking på alkohol, som vil være et godt virkemiddel hvis vi klarer å få EU til å innføre innføre det. Så er jeg ikke enig i at Norge ikke har en strategi. Med utgangspunkt i EUs alkoholstrategi ville det vi har lagt fram, i kombinasjon med folkehelsemeldingen og opptrappingsplanen for rusfeltet, bli regnet som en strategi. Replikkordskiftet er over.
Takk for en interessant debatt, som i grunnen avspeiler det som fremkommer i de forskjellige merknadene i innstillingen. Det er et par ting jeg vil kommentere. For det første kan det skapes et inntrykk av at deler av komiteen ikke tar på alvor den utfordringen som alkohol er og kan være. Det vil jeg sterkt avvise. Vi er bare litt uenige om behovet for en strategi, hovedinnlegg. Så er det også sånn at det er iverksatt en del tiltak. Jeg mener helseministeren på utmerket vis har redegjort for det. Så det må ikke stå igjen et inntrykk av at det ikke gjøres noe. Hovedgrunnen til at jeg tok ordet, er at det er en feil i innstillingen som har dukket opp. I en komitémerknad på side 3 i innstillingen, øverst i høyre spalte, er det en oppramsing av forskjellige tiltak som er nevnt som eksempler. I statsrådens brev står dette helt riktig, men i siste strekpunkt i innstillingen står det: «Fastsette indikatorer for å følge utviklingen i målet om å redusere for tidlig død som følge av smittsomme sykdommer». Det skal selvfølgelig være «som følge av ikke-smittsomme sykdommer», som er det vi snakker om i dag, strengt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

2013. På bakgrunn av denne proposisjonen fikk Helsedirektoratet i april samme år i oppdrag å utrede mulige løsninger for fritt valg av opptrening og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Direktoratet ble bedt om å beskrive ulike faglige problemstillinger og utrede juridiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Oppfølgingsoppdrag ble gitt i august 2013, og svar på dette oppdraget ble mottatt i april året etter. etter. Det er dette som nå ligger til grunn for de grepene man tar i denne proposisjonen. Det er et uttalt mål at rett til fritt valg av rehabiliteringssted skal bidra til bedre utnyttelse av den totale kapasiteten i disse viktige tjenestene, og også til reduserte ventetider – reelt reduserte ventetider. Samtidig er Samtidig er vi klar over at flere helseforetak i stor grad har praktisert fritt rehabiliteringsvalg i lengre tid. Derfor er en lovendring på dette feltet i stor grad i samsvar både med anvendt praksis og med synspunkter som er spilt inn fra de fleste høringsinstanser. Vi har merket oss med interesse at proposisjonen ikke legger opp til at private rehabiliteringsinstitusjoner skal godkjennes i henhold til forskrift av 29. oktober 2015 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten, og dermed ikke skal kunne inngå i fritt valg av rehabiliteringssted, men at man åpner for at slike institusjoner skal kunne innfases seinere. Heller ikke røntgen- og laboratorietjenester skal omfattes av den nye forskriften for fritt behandlingsvalg, men vil ifølge gjeldende rett ha basis i aktører som har avtale med det offentlige. Vi er tilfreds med at dagens regjering med denne proposisjonen følger opp den rød-grønne regjeringas initiativ. Det finnes ulike begrunnelser for at Arbeiderpartiet har ment at fritt rehabiliteringsvalg måtte utredes før forsøket ble lagt fram, slik det ble under forrige regjeringsperiode. Blant annet er det viktig for oss at fritt valg av rehabiliteringssted har som en ufravikelig forutsetning at det finnes gode institusjoner over hele landet, dersom valgfriheten skal være reell for alle. I den tidligere debatten om hvorvidt rehabilitering skulle være en del av ordningen med fritt sykehusvalg, framholdt flere, bl.a. enkelte mindre rehabiliteringsinstitusjoner, at man var bekymret over at dette kunne rive grunnlaget unna det desentraliserte rehabiliteringstilbudet og føre til ulik tilgang til rehabiliteringstjenester. Slike problemstillinger blir for øvrig også adressert i den foreliggende proposisjonen, så det er viktig å ha dette i fokus også i framtida. Dette dokumentet viser med all tydelighet hvor uklar og forvirrende regjeringas kommunikasjon rundt ordningen med fritt behandlingsvalg er. «Fritt sykehusvalg» heter nå «fritt behandlingsvalg», noe som i utgangspunktet er helt uproblematisk. Men når regjeringa samtidig later som om «fritt behandlingsvalg» gir helt andre rettigheter for pasientene enn «fritt sykehusvalg», blir dette både feilaktig og villedende. Forskrift nr. 1232 av 29. oktober 2015 definerer den nye, borgerlig initierte ordningen «fritt behandlingsvalg». Og det er – som før bemerket – kun innrettet på å gi rettigheter til de private aktørene som kun innrettet på å gi rettigheter til de private aktørene som angivelig skal kunne behandle pasienter på det offentliges regning, og som ikke har avtale med et helseforetak. Pasientenes rett til å velge er i realiteten som før. Innholdet i den proposisjonen vi behandler i dag, kan tyde på at regjeringa har notert seg at «fritt behandlingsvalg» etter forskrift 1232 ikke har fungert så langt, og at man derfor har valgt

skal kunne velge fritt mellom offentlige og private institusjoner med avtale, og at endringen også innebærer at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. Dagen i dag er en seier for pasientene og for alle de pasientene som i dag ikke har friheten til selv å velge hvor de skal få sin rehabilitering. Frem til nå har pasientene kunnet velge rehabilitering på ulike offentlige sykehus, men de har ikke hatt rett til å velge fritt blant private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra nå av endrer vi på det. Nå sørger vi for at alle pasienter får denne rettigheten, uansett hvor de bor i landet. I Høyre husker vi godt pasienthistoriene fra 2011 og 2012, da MS-pasienter i Helse Nord ble fratatt muligheten til rehabilitering i andre helseregioner enn sin egen. Det betydde at de ikke lenger fikk dekket kostnader ved rehabilitering på MS-Senteret i Hakadal. Å kunne få rehabilitering ved de institusjonene som har spesialisert seg på sykdommer som MS, betyr svært mye for pasientene, ikke bare medisinsk, men også ved at en møter likemenn i samme situasjon fra hele landet. Det gir mulighet for å knytte bånd som kan være uvurderlige for dem som lever med alvorlige kroniske lidelser, og som i hverdagen kan trenge et nettverk å støtte seg på. Nå reverserte Helse Nord dette i 2013 og inngikk ny avtale med MS-Senteret, men de reduserte samtidig antallet plasser. Det betydde at samtidig som pasienter i nord hadde bruk for rehabilitering hele året, ble plassene gjerne brukt opp før året var omme. Det resulterte i flere ledige plasser, samtidig som pasientene hadde behov. Jeg nevner dette i dag fordi dette er selve kjernen i det vi nå vedtar. Skal vi sørge for et likeverdig rehabiliteringstilbud til pasientene i hele Norge, må de gis rett til å kunne velge fritt selv. I første omgang rammes denne rettigheten inn til å gjelde offentlige og private institusjoner over hele landet som har avtale med regionale helseforetak. håper vi i Høyre selvfølgelig at friheten til å velge blir ytterligere utvidet til å gjelde uavhengig av om institusjonen allerede har avtale med regionale helseforetak. Vi trenger å ta i bruk alle gode krefter i vårt samfunn. I Høyre er vi først og fremst opptatt av at pasienter får den nødvendige behandling og rehabilitering, av høy kvalitet og så raskt som mulig. Om institusjonen er offentlig, ideell eller helprivat, spiller for oss ingen rolle så lenge kvaliteten er god. I Norge er vi flinke til å redde liv, men vi gir ikke pasientene god nok hjelp til leve. Mange opplever en imponerende helsetjeneste i en akutt sykdomsfase – etter hjerteinfarkt, hjerneslag eller etter en trafikkulykke. Men når blålysene er skrudd av, opplever mange at hjelpen blir dårligere. Rehabilitering som gir mulighet for å mestre hverdagen til tross for skade eller sykdom, er en men i dag opplever mange at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ikke er sømløs nok. På vår vakt har vi allerede gjort mye med dette. Primærhelsemeldingens grep, med større teamarbeid og mindre siloorganisering av kommunale hjelpetjenester, er et viktig steg på veien. Det samme er lovfesting av fysioterapi- og ergoterapikompetanse i kommunene. Men saken i dag handler først og fremst om pasientens rett til større valgfrihet innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vi ser frem til at regjeringen kommer med den etterlengtede opptrappingsplanen for rehabilitering. Den vil gi det viktige løftet og peke ut retningen fremover. Rehabilitering er et helsepolitisk område som vi har et stort ansvar for å utvikle, og i Høyre har det vært et årelangt engasjement for å løfte nettopp dette feltet. I dag kan vi markere at en ny og viktig milepæl er nådd i dette arbeidet. Jeg er

Så er det sånn at Fremskrittspartiet gjerne vil se at vi også kan utvide på enda flere områder, bl.a. eldreomsorgen. Denne regjeringen bygger pasientenes helsetjeneste – eller min helsetjeneste. I den har valgfrihet og bedre ressursutnyttelse en stor plass. Jeg blir sett, jeg blir hørt – jeg som kjenner hvor skoen trykker. Er det da noe farlig at jeg får et ord med i laget? Kanskje jeg til og med blir fortere frisk når jeg får være med og styre litt over meg selv? Kanskje andre også vil oppleve akkurat det samme når man får lov til å være med og bestemme? Så kan man også sørge for at man kanskje blir litt raskere frisk, og at man får lov til å velge å bli behandlet og få hjelp av dem man har mest tro på selv. Jeg er overbevist om at når man får lov til å gjøre disse valgene sammen,

både for å få flere fortere tilbake i arbeid etter sykdom og for å holde flere aktive lenger, både i og utenfor arbeidslivet. Stortinget har vedtatt å iverksette fritt behandlingsvalg. Private rehabiliteringsinstitusjoner har til nå ikke vært en del av denne ordningen. Derfor er det i dag en gledens dag. Et stort flertall av høringsinstansene ønsker også fritt rehabiliteringsvalg velkommen. velkommen. Da skulle det bare mangle at vi ikke skal sørge for å innfri

at iallfall i vårt største helseføretak, som gir helsetilbod til halve Noregs befolkning, har det vore praksis det som vi no vedtar, og andre helseføretak har praktisert det. Det er bra at lova no vert endra i tråd med praksis og det som er Eg synest det er veldig gode argument for og få motargument mot at når vi har fritt sjukehusval, er det naturleg at det òg omhandlar rehabilitering. Eg er einig med representanten Tove Karoline Knutsen i at omgrepet vert litt forvirrande når ein seier at ein skal innlemma dette i fritt behandlingsval, men det skal ikkje inn i når det gjeld tilbydar, altså at det er inne i den gamle fritt sjukehusvalordninga, der valet vert avgrensa, iallfall per i dag, til dei institusjonane som har ein avtale med det offentlege. Senterpartiet er for den avgrensinga og har i merknad vist til at vi meiner det òg skal vera sånn i i framtida. Eg vil berre visa til ein merknad frå Senterpartiet, der vi viser til Riksrevisjonen sin rapport om rehabilitering frå 2010

mitt no, at det å innføra ein sånn rett hjelper ikkje dersom vi ikkje sørgjer for at pasientane vert tildelte rett til rehabilitering. Og når det er påvist at det er så store geografiske variasjonar i Noreg på å gi rettar, synest eg det er grunn til å

at endringane som vert foreslåtte her, f.eks. reiseutgifter, må handterast innanfor gjeldande Vi har i merknad saman med Arbeidarpartiet påpeikt at vi føreset at den nødvendige økonomiske styrkinga av rehabiliteringsfeltet kjem i den varsla opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

valg. Der har vi en vei å gå innenfor rehabilitering. Det er, som representanten Kjersti Toppe var inne på i sitt innlegg nå, geografiske forskjeller. Dem må vi utjevne ved å standardisere mer, og vi må informere bedre, slik at pasientene har anledning til å bli med på det valget. Det skorter det også på. En del av de private aktørene står også overfor en utfordrende situasjon knyttet til anbudspraksisen som blir benyttet. Det blir kastet rundt om på en god del rehabiliteringstilbud i dag, som av og til kan gjøre det krevende for pasientene å være med på valget og finne aktøren som gir det beste tilbudet. Det skal vi også ivareta. Mye av det jeg er inne på nå, vil være et tema for opptrappingsplanen for rehabilitering, men det er all grunn til å diskutere rehabilitering og habilitering framover, for det er en viktig del av den helhetlige helsetjenesten.
da er det

og til å leve med sin kroniske lidelse. Lenge har det vært slik at retten til å velge rehabiliteringsinstitusjon kun har omfattet offentlige sykehus. Men spesialisthelsetjenestens rehabiliteringstilbud foregår i stor grad i private institusjoner som har avtale med helseregionene. Helseregionene kjøper tjenester for mer enn halvannen milliard kroner hvert år i de private rehabiliteringsinstitusjonene. I ulik grad har helseregionene gitt pasientene mulighet til å velge behandlingssted, selv om de ikke har hatt et rettslig krav på å velge private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette vil bli endret ved lovendringen i dag og er derfor en viktig del av det å bygge pasientens helsetjeneste. Nå innføres en rett til å velge mellom offentlige virksomheter og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med helseregionene. Det innebærer at alle pasienter får mulighet til å velge uavhengig av hvor de bor i landet. Endringen vil også kunne bidra til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid for pasientene. Økt konkurranse institusjonene imellom kan også føre til bedre kvalitet på tjenestene. Dette er bra for pasientene. Jeg er glad for at en samlet komité slutter seg til forslaget som regjeringen har fremmet i denne proposisjonen. Dette er en viktig styrking Helseregionene har avtale med mer enn 50 private rehabiliteringsinstitusjoner om å levere rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Noen pasienter vil ønske en rehabiliteringsform som en konkret institusjon har spesiell kompetanse på. Andre kan ønske rehabiliteringsopphold nær familien sin. Mulighetene til å kunne velge mellom disse institusjonene vil gi pasientene større innflytelse på egen rehabilitering, og det er viktig. Samtidig har en slik valgmulighet også noen utfordringer. I mange tilfeller vil det være viktig med god samhandling mellom kommunen og I mange tilfeller vil det være viktig med god samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten for å få et godt, forsvarlig og helhetlig rehabiliteringsforløp. God samhandling med pasientens hjemkommune kan være vanskelig å få til når pasienten velger rehabilitering ved en institusjon på en annen kant av landet. Det er derfor viktig at helseregionene stiller krav til gode rutiner for samhandling i avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene. God informasjon er viktig for å kunne ta et godt valg. Når vi innfører en rett til å velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med helseregionene, er det viktig at informasjon om tilbudene ved hver enkelt institusjon er lett tilgjengelig for pasientene. Dette er helt nødvendig for at pasienten skal kunne ta et best mulig valg om hva slags tilbud som passer best for ham eller henne. Helsedirektoratet arbeider derfor med å videreutvikle helsenorge.no, slik at pasientene kan få hjelp til å finne institusjoner som har et relevant og forsvarlig tilbud som imøtekommer deres tilstand og behov. Høringsuttalelsen fra Unge funksjonshemmede oppsummerer på en god måte formålet med denne endringen i pasient- og brukerrettighetsloven når organisasjonen sier at de er: «svært positive til at pasienter med rehabiliteringsbehov får fritt rehabiliteringsvalg. Det vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester uansett geografisk tilhørighet, og styrke unge funksjonshemmedes muligheter til å få spesialisert og tilpasset oppfølging for sin diagnose og livssituasjon.» Det er jeg helt enig i. Denne gleden deler jeg, men jeg deler ikke gleden til representanten Knutsen, som finner den største gleden i denne saken i at pasientenes mulighet til å velge fortsatt er begrenset til de institusjonene som har avtale med helseregionene. Jeg ser dette som et viktig steg

da blir det
Det blir replikkordskifte.

innføre det dersom erfaringene han kommer til å høste i tida framover med fritt behandlingsvalg i henhold til forskrift 1232, blir like dårlige som de har vært så langt? Nå er jo ikke jeg enig med representanten Knutsen i at erfaringene har vært dårlige. Flere og flere pasienter får raskere hjelp og i tråd med det ønsket som de har. Det synes jeg er bra ikke dårlig. Jeg forstår at representanten Knutsen synes at det er dårlig, men da har vi nok litt ulik oppfatning av hva som er det viktigste med helsetjenesten. For meg er det at pasientene får god hjelp. Vi ønsker å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, men vi har en avtale med Kristelig Folkeparti og Venstre, som også sier at den skal utvides gradvis, og vi skal også evaluere underveis, og det forholder jeg meg selvfølgelig til. Men for meg er det en målsetting at også rehabiliteringspasientene i framtiden skal kunne nyte godt av denne gode pasientrettigheten som regjeringen har innført, og som vi håper overlever stortingsvalget 2017, men det forutsetter at Tove Karoline Knutsen taper valget til neste år. Replikkordskiftet er over.
Ja, det er viktig at pasienten får rask behandling. Nå har det kommet noen opplysninger i dag som tyder på at disse tidene og listene som statsråden har operert med, kanskje likevel ikke er så «friske» som han har gitt uttrykk for. Men i den grad vi har fått ned ventetidene – og det har vi jo

forankret i forskrift 1232, og det er jo ikke noe å skryte av, for å være helt ærlig. Men tilbake til rehabiliteringen: Jeg vil bare understreke det jeg sa i mitt innlegg, og som også representanten Toppe var inne på, at de aller fleste helseforetakene har praktisert denne formen for fritt rehabiliteringsvalg som vi innfører i dag, så i praksis har dette vært gjeldende i de aller fleste helseforetakene meg bekjent. Så har jeg også lyst til å peke på noe som jeg særlig hører i nord, men også andre steder, og det er for det første at det skal være institusjoner over hele landet, også i distriktene, for vi har mange slike institusjoner i distriktene. også i distriktene, for vi har mange slike institusjoner i distriktene. Og hver gang jeg møter direktøren for Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i Tromsø, sier han at vi må ha et bedre kunnskapsgrunnlag om både kvalitet og spesialitet ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene. Jeg tror han har rett, og jeg vil gi den oppfordringen og utfordringen til helseministeren at man foretar en slik gjennomgang, at man tar en skikkelig datainnsamling og en gjennomgang av hva den enkelte institusjon har å by på og har å tilby pasientene. Det å ha god kunnskap om dette er en forutsetning for at vi som pasienter skal kunne velge klokt og bra for den rehabiliteringen som vi skal ha. Jeg har bare lyst til å understreke dette, fordi jeg får den meldinga fra flere rehabiliteringsinstitusjoner selv som gjerne vil ha denne formen for gjennomgang og dokumentasjon.

om egen helse og egen situasjon i helsetjenesten og om de ulike institusjonene. En jobber nå med en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet, som er viktig for å peke ut veien videre på dette området. Jeg forstår det slik at representanten Tove Karoline Knutsen setter spørsmålstegn ved om vi har hatt en reell nedgang i ventetid og antall ventende pasienter.

istedenfor henvisning til behandling, er en dreining vi er nødt til å undersøke bakgrunnen for, men det vil være helt feil å trekke den slutningen at en slik endring er en type spekulasjon, eller noe som skjer uten en medisinsk begrunnelse. Tvert imot, det kan være både et resultat av oppfølgingen av den kvalitetsforskriften som nå er kommet, men det kan også skyldes andre ting. Vi ser at Vi ser at Helseatlas har avdekket at en del pasienter som både får skulder- og kneoperasjoner, helst ikke burde hatt det, og da er det en fordel at de henvises til utredning, f.eks. at de møter en fysioterapeut først, før de går til operasjon. Det er ikke slik at det optimale for en pasient alltid er operasjon. Helsedirektoratet har også siden 2014 fulgt pasienter inn i pasientforløpet, over 300 000 pasienter, og det viser en reell nedgang i median ventetid på syv dager sammenlignet med 2013. Det er viktig at vi holder et hardt trykk på betydningen av å redusere unødvendig venting. Denne regjeringen sørger for å redusere ventetidene til sykehusene, men også å redusere ventetidene i sykehusene, slik en f.eks. har gjort når det gjelder pakkeforløpet for kreft. Over kreftpasienter kom i 2015 inn i pakkeforløp, der koordinator følger opp, og der ventetiden også i sykehus måles og følges, nettopp fordi den ventetiden først og fremst skal være medisinsk begrunnet. Det å flytte pasienter etter undersøkelse taktisk er ulovlig, det er i strid med loven, og det vil ikke bli akseptert. Dette er en debatt som vi helt klart kommer tilbake til, for det

Derfor har vi gang på gang sagt til statsråden her i denne salen at når vi måler antall personer eller ventetid eller antall nyhenviste eller avviklede, må vi se dette i sammenheng. Jeg er en liten statistikknerd. Jeg har vært inne og sett på disse statistikkene, og jeg får det ikke til å stemme med det som helseministeren sier. Når vi har stilt spørsmål, skriftlige sådanne, til helseministeren, får vi svar om at her vet vi ikke helt sammenhengen, eller hva det betyr. Hva dette betyr i realiteten, har ikke helseministeren kunnet svare på. Det vi ser nå, som Dagens Medisin nå viser, er at antallet personer som står til utredning og venter, øker, mens antall behandlede går ned. Da har helseministeren et problem. Det Da har helseministeren et problem. Det håper jeg at vi kommer tilbake til, for vi ønsker å komme til bunns i dette. Jeg har lyst til å si at når helseministeren bruker statistikk – som han sier i svar til oss i svar på skriftlige spørsmål ikke kan

og det var rundt 2009 og 2010. Vi skal glede oss over all reell nedgang i ventetider, men de fantasifortellingene som helseministeren, statsministeren og finansministeren har fortalt om dette, er i dag blitt grundig avslørt av Dagens Medisin, og nå håper jeg vi kan begynne å snakke edruelig om disse spørsmålene heretter. Jeg forstår at det er

i dag omtaler, er ikke noe nytt fenomen – det vet representanten Tove Karoline Knutsen utmerket godt. Det betyr at de tallene som vi nå diskuterer, er sammenlignbare over tid, og det kan ikke være slik at representanten Tove Karoline Knutsen sier at de tallene som gjaldt under den rød-grønne regjeringen, kan en bruke med den største frimodighet, mens de tallene som kommer fra samme kilde i dag, må en sette store spørsmålstegn ved. Nei, slik er det ikke, og derfor kommer representanten Tove Karoline Knutsen til å måtte tåle å høre – hele veien – at politikken virker, ventetidene går ned, og antall ventende pasienter går ned. Det skyldes ikke minst den fantastiske innsatsen som er gjort på våre sykehus, ansatte som har stått på og jobbet utover kveldene for å oppnå disse resultatene, omorganisert arbeidet og jobbet på andre måter for å gi pasientene et bedre tilbud. Jeg aksepterer ikke at noen kaller den innsatsen for juks eller talltriksing. Det er en reell jobb som er gjort for at pasienten skal få et bedre tilbud. Det er Det er helt riktig at de offentlige sykehusene – vår felles helsetjeneste – gjør en veldig god jobb. Det er jeg helt enig i, og i den grad vi får ned ventetidene, er det de som gjør jobben. Helseministeren må begynne å fortelle historia som den er. Jeg har aldri sagt at vi kan trekke de statistikkene som var på vår vakt, etter Nei, jeg har hele tida sagt at statistikker og tabeller må vi se de lange linjene i. Skal vi se de lange linjene, er det sånn at helseministerens parti innførte tak på behandling i 2004 fordi økonomien var ute av kontroll. Det var den også da vi overtok – det var store underskudd i helseforetakene. Det vet helseministeren – jeg behøver ikke å fortelle ham det. Vi gjorde et arbeid og fikk orden i økonomien rundt 2009–2010. Det er målbart. Så må vi ta all statistikk derfra og til i dag, kun ut fra de lange linjene, og det er det jeg anklager helseministeren for, ikke for at statistikken er sånn eller slik, men for at han bruker statistikken som han gjør, og står og forteller solskinnshistorier om egen politikk som plutselig har vendt i 2013. Nei, det er ikke sånn. Det var gjort et arbeid med å omlegge statistikken i 2013, og da må man jo se på omlegginga før og etter – det har vært gjort tidligere. All statistikk må brukes med edruelighet og brukes på en ordentlig og skikkelig måte. Det presset helseministeren nå har lagt på helseforetakene med å hele tida hver dag stå og snakke om at «nå går ventetida ned, nå går ventetida ned», har ført til, slik Dagens Medisin nå har avdekket, at sykehusene har sett seg nødt til å lage interne ventelister – interne ventelister, jeg siterer Dagens Medisin. Det må helseministeren ta på alvor, og så må han slutte å lage glansbilde av egen politikk og være edruelig i måten han bruker resultatene man kan lese ut av statistikk, Og så må du ta alle de svakhetene som også ligger i statistikken, og så må du legge inn de forbeholdene hvis du skal være seriøs og anstendig, og ikke føre folk i Norge bak lyset. Det er folk i Norge jeg er opptatt av, ikke hva du forteller Arbeiderpartiet. Presidenten ber om at man henviser til presidenten, ikke til

statsråden var inne på i et foregående innlegg. Det kan være en del av forklaringen, men det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom de to gruppene. Det aller viktigste vi er nødt til å sørge for, er at kapasiteten i de offentlige sykehusene tar unna, og vi har jo særlig sett det innenfor rus- og psykiatribehandlingen med den gylne regel, som den forrige strupte, at kapasiteten øker. Det fører til at færre venter, og flere får behandling. Diskusjonen om undersøkelse, og statistikken også, som riktignok representanten Tove Karoline Knutsen har et poeng i – en må se statistikk over tid og

Diskusjonen om fritt behandlingsvalg kommer sikkert til å fortsette videre. Vi ser jo eksempler på andre land som har valgt å løse det på annet vis. Nederland er et av eksemplene og hvor man har innført helseforsikring for alle, og bruker forsikringsselskaper til å være pasientens agent. Det er en interessant modell som Nederland har er helseforsikringsselskapene statlig regulert, sågar er de statlig eid – en helt annen rolle enn den mangelfulle reguleringen vi har av norske helseforsikringsselskap. Det blir spennende å se om Arbeiderpartiet kommer opp med et alternativ her, eller om det eneste svaret er mer eller mindre penger til sykehusene. Det

ser at flere helseministre fra samme parti som representanten Knutsen har brukt statistikken for å fortelle hvor flink den forrige regjeringen var når det gjaldt helsefeltet. Det er i hvert fall ikke tvil om at denne regjeringen bruker mer penger på helsetjenester enn det den forrige regjeringen noen gang klarte å gjøre.

innbyggerne og pasientene skal få lov til å være med og velge. Det var egentlig det dette startet med – når det gjaldt rehabilitering, skulle man få valgfrihet og mulighet til å være med og velge. Så ender debatten til slutt med hvilken helseminister som gjør ditt eller datt, og da blir det en rar debatt. Jeg synes det denne regjeringen gjør, har levert og gjør på disse områdene, er kjempebra og kjempeviktig. Vi ønsker mer valgfrihet. Vi ønsker å sette pasientene i fokus og sørge for at det er pasientene som er de viktige her, at de skal få mulighet til å få velge eller velge bort noe fordi de har bedre tro på andre til å levere tjenestene. Da man hørte representanten Knutsen mene at egen egen bruk av statistikk var noe helt annet enn denne regjeringens bruk av statistikk – og den er ganske sammenliknbar – er det rimelig spesielt. Men jeg skjønner at man har et veldig stort behov for å prøve å snakke ned i stedet for faktisk å se at det er flere pasienter som blir behandlet og som får bedre tjenester, enn det det var under den forrige regjeringen – og heldigvis går helsekøene ned med de virkemidlene og det denne

fordi de er etablert gjennom Helsedirektoratet. Dermed har man ikke implementert det samarbeidet som man har når man har avtale mellom et helseforetak og de private og ideelle. 10 pst. av det som ble brukt til sykehus på vår vakt, var i samarbeid med private og ideelle. Det er vi for, men da skal det være slik at man får et reelt samarbeid, slik det er når man får det gjennom avtale. Så har jeg bare lyst til å si til representanten Ketil Kjenseth at det var den borgerlige regjeringa som innførte tak på antall behandlinger i 2004. Det har helseministeren også sagt. Det taket måtte vi leve med fordi det var en måte å å håndtere underskuddene på. I realiteten var taket utfaset i 2011 etter at man hadde jobbet med balanse i sykehusene i nesten to år. Det er sannheten om taket. Vi kunne egentlig formelt sett ha fjernet det også. Det gjorde helseminister Bent Høie, helt fint. Men det var altså et borgerlig innført tak for å styre økonomien som var kommet ut av kontroll, og vi fjernet det i realiteten i 2011.

og for så vidt òg helseministeren. Poenget er jo at det som kjem fram i Dagens Medisin i dag, ikkje er noko som ein bør bagatellisera i denne saka. Eg er heilt sikker på at representanten Hoksrud, viss han hadde vore i opposisjon, hadde raljert mot

der ein ikkje opplagt får fram kor mange som reelt er ventande? Overskrifta til det som står i Dagens Medisin, er at det er over 15 000 i ein intern kø berre ved ein klinikk ved Oslo universitetssjukehus, mens den offentlege ventelista viser 2 456 ventande. Klinikksjefen der er sitert sitert med ein del utsegn som eg reagerer på, og som viser litt av det som er problemet. Eit sitat er: «Det er klart at man gjør noe med det som det fokuseres på. Dersom den interne ventelisten hadde fått like mye søkelys, hadde man nok gjort mer opp mot den.» Eg ønskjer at statsråden – og ber han om det – kjem til Stortinget på ein ordentleg måte, og ikkje på tampen av ein debatt som eigentleg handlar om noko anna, og gjer greie for dette med ventelister og det som kjem fram om ein såkalla usynleg kø i helsevesenet. Vi må i både opposisjon og posisjon ha tillit til dei tala som kjem fram.

skal vi ta Dagens Medisin på alvor. Jeg opplever at en gjør det. Jeg har vel også hørt at Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, som ikke er i salen i dag, også har sagt at han skal be om noe av det som Toppe nå nettopp ba om. Men når Arbeiderpartiet først velger å dra ut debatten her, hadde det vært interessant om det var alternativ politikk vi diskuterte, Jeg hørte nettopp representanten Tove Karoline Knutsen kalle seg «statistikknerd». For egen del er jeg ikke statistikknerd, selv om jeg har noen statistikkvekttall, men jeg vet såpass at det finnes tre former for løgn: hvite løgner, svarte løgner og statistikk. Når vi nå forholder oss til statistikken, tror jeg det er viktig at vi forholder oss til den samme statistikken, at vi

bare for å møte opp for å innfri en rettighet og så plasserer ventetiden etterpå, er det i strid med loven. Det er ikke noe som en kan diskutere er greit eller ei. Det er i strid med loven, og det skal ikke forekomme. Det er også en veldig klar beskjed til helseforetakene at det i tilfelle må ryddes opp i. Når representanten Toppe snakker om skjulte eller interne ventelister som om det var noe veldig nytt eller spesielt, tror jeg kanskje representanten Toppe vet bedre. En vet jo utmerket godt at når en pasient blir innkalt til undersøkelse eller behandling, så er det ofte et pasientforløp som starter. At en avdeling har oversikt over hvor mange pasienter som er inne i det forløpet, har tentative tider, om en pasient skulle komme inn igjen, enten til operasjon eller til ny undersøkelse, er jo ikke negativt. Det hadde vært mye verre hvis Dagens Medisin hadde avslørt at avdelingene ikke hadde den type oversikter. Det som er viktig, er for det første at sykehuset er oppmerksom på at det ikke foregår en bevisst flytting av ventetiden, for det andre at ventetiden som oppstår i behandlingsforløpet, ikke er for lang. Vi har gitt for å unngå dette. Pakkeforløpet for kreft er et veldig tydelig eksempel på det, der en ikke bare reduserer ventetiden til sykehus, men også ventetiden i sykehus. Den tenkningen tas nå i bruk på flere områder, og det er veldig riktig. Den tredje utviklingen som vi ser, og som jeg også har sagt noe om, er at flere nå henvises til undersøkelse istedenfor til behandling. Det er en utvikling som vi er nødt til å gå inn i for å se på hva som er begrunnelsen for det. Men å trekke den bastante konklusjonen som enkelte gjør i denne diskusjonen, at dette gjøres av taktiske grunner, at det er uheldig for pasientene, osv., er det ikke grunnlag for. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å finne ut hva denne dreiningen handler om. Men tallene for utviklingen når det gjelder ventetiden for ventende, er sammenlignbare tall over tid. Ventetidene går ned, og antall ventende går ned.

ventetider og ventelister, fant jeg å måtte ta opp den hansken. Jeg er veldig glad for det, for det er en fersk sak, som kom i dag, og jeg tror mange er veldig opptatt av den. Jeg ser fram til at vi får en skikkelig og grundig redegjørelse og en debatt om dette senere, for dette er en veldig viktig og alvorlig sak. Så er det bare å si til representanten Sveinung Stensland hva vi er for: Vi er for å styrke det offentlige helsevesenet, vi er for

og det er eit omfang som krev kvalifisert hjelp. Mellom 15 og 20 pst. av barn og unge i Noreg har nedsett funksjon på grunn av psykiske vanskar. Menneske med omfattande rus- og psykiske helseproblem lever meir enn 20 år kortare enn gjennomsnittet i befolkninga. Regjeringa har sjølv uttalt, m.a. i kommuneproposisjonen som er lagt fram no, at rus og psykisk helse skal prioriterast. I spesialisthelsetenesta er det sett lit til den gylne regel, som skal sikra høgare årleg vekst for rus- og psykisk helsebehandling på regionalt nivå enn for somatikk. Kommunehelsetenesta skal nyta godt av nyleg vedteken opptrappingsplan for rus, men det er ikkje planlagt ein tilsvarande opptrappingsplan for psykisk helse. Ifølgje Opptrappingsplanen for rusfeltet antek regjeringa at rundt 122 000 personar kan reknast som på bustadmarknaden. I tillegg manglar rundt 6 200 ein fast plass å bu. Personar med rusproblem og/eller psykiske lidingar er overrepresenterte blant dei bustadlause. Ei kartlegging frå 2012 viste at over halvparten av dei bustadlause er avhengige av rusmiddel og opp mot 40 pst. har psykiske lidingar. Mange brukarar trekkjer fram nettopp ein stabil og trygg bustad som det viktigaste første skrittet i ein rehabiliteringsprosess. Ein SINTEF-rapport frå 2013 om unødvendige innleggingar, utskrivingsklare pasientar og samarbeidet rundt enkeltpasientar med rusproblem og psykiske lidingar viser at eit betydeleg tal innleggingar kunne vore unngått om var på plass. 7 pst. av pasientane innanfor psykisk helsevern og 1 pst. innanfor tverrfagleg spesialisert behandling er registrerte som utskrivingsklare. Dei fleste ventar på bustad. Mange treng eit døgnbemanna butilbod. Ein rapport utarbeidd frå Norsk institutt for by- og regionforsking frå 2015 viser at

SINTEF framhevar òg i sin rapport at det er eit betydeleg potensial for å unngå innleggingar gjennom etablering av adekvate kommunale tilbod, spesielt bustadstilbod, og det vert angitt at opp mot 25 pst. av innleggingane i psykisk helsevern kunne vore unngått ved eit sterkare kommunalt tilbod. Samhandlingsreforma, som vart innført i 2012, skisserte følgjande hovudutfordringar i

måtte finna ei løysing i kommunane, og at ein større del av ressursveksten i helsesektoren dei komande åra skulle koma her. Det vart innført økonomiske ordningar, betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar og kommunal medfinansiering for å kunna støtta den ønskte utviklinga – det siste er no avvikla av dagens regjering – og det vart samtidig innført ei plikt for kommunane til å oppretta kommunale augeblikkeleg hjelp-senger. Rus og psykiatri var ein del av samhandlingsreforma – det er mange som seier det motsette – men dei økonomiske ordningane vart i første omgang avgrensa til somatiske pasientar, ut frå at ein hadde kommunalt helse- og omsorgsapparat frå før med omsyn til eldreomsorga. Samhandlingsreformas intensjon og hovudutfordringar er og var riktige og nødvendige – det vil eg presisera. Ei auka satsing på kommunehelsetenesta, betre førebygging og betre samhandling med spesialisthelsetenesta er ei hovudutfordring òg i dag. Riksrevisjonen har no undersøkt ressursutnyttinga og kvaliteten i helsetenesta etter innføring av samhandlingsreforma. Den viser at kommunane i liten grad har auka kapasiteten og styrkt kompetansen etter innføringa av samhandlingsreforma. Den viser at innanfor rus- og psykiatriområdet er ikkje tilbodet i kommunane styrkt i takt med nedbygginga av pst. av kommunane har berre i liten grad auka talet på årsverk innanfor rus- og psykiatrifeltet, samtidig som kvar tiande seng på sjukehus har vorte lagt ned. Dette meiner eg er urovekkjande opplysningar. I kommuneproposisjonen for 2017 står det at regjeringa har utsett innføring av betalingsplikt for utkrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling, og tidlegast vil innføra dette i 2018, og grunngir avgjerda med at det «fremdeles er for stor usikkerhet i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen uten betydelig risiko for tjenestetilbudet til brukere med omfattende og sammensatte behov.» Regjeringa oppgir vidare, som varsla i primærhelsemeldinga, å innføra kommunalt augeblikkeleg hjelp døgntilbod også for psykisk helse- og men da allereie frå 2017. Senterpartiet er einig i at så lenge vi har økonomiske incitament for å styra behandlingsgangen til beste for pasientane, bør desse i prinsippet vera diagnoseuavhengige. Samtidig meiner urovekkjande at ein no utvidar desse betalingsordningane som vi veit er ein pådrivar for å endra behandlingsgangen, men utan at vi er sikre på at kommunehelsetenesta er utbygd og i forkant. For vi veit i dag at årsverkinnsatsen innanfor kommunalt psykisk helsearbeid

tar opp et viktig tema. I vurderingen av tilbudet til personer med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet kan man ikke bare se på døgnplasser i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling alene. Selv om interpellanten har rett i at antall døgnplasser i psykisk helsevern ble redusert i perioden 2010–2014, så økte antallet opphold i de distriktspsykiatriske sentrene og sykehusene med nærmere 3 pst. I 2014 opphold i de distriktspsykiatriske sentrene og sykehusene med nærmere 3 pst. I 2014 ble det behandlet 10 pst. flere pasienter i psykisk helsevern enn i 2010. Antallet døgnplasser i tverrfaglig spesialisert behandling økte med over 10 pst. i samme periode. Vår regjerings ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. For mennesker med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet handler det om å legge til rette for selvstendighet, trygghet og muligheten for å kunne leve et godt liv med best mulig livskvalitet. Det gjør en ikke gjennom langvarige institusjonsopphold, men ved å hjelpe folk der de bor. La meg trekke fram et tydelig eksempel: aktivt oppsøkende behandlingsteam. Oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modellen er et tilbud for de aller sykeste psykisk syke, det vil si de som ofte har et rusproblem i tillegg, og som ikke har nytte av tradisjonell behandling i psykisk helsevern. Ved å tilrettelegge oppfølgingen slik at den foregår på pasientens premisser og arena, halveres antallet oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten i løpet av to år. For denne gruppen pasienter er dette en enorm reduksjon. Før var disse pasientene i gjennomsnitt innlagt mer enn 140 døgn i året. Det er mer enn en tredjedel av året på sykehus. Omtrent to tredjedeler av disse døgnene var de innlagt på tvang. Ingen skal fortelle meg at dette gir kontinuitet, forutsigbarhet og trygghet eller legger til rette for et selvstendig

hvis vi lar denne diskusjonen i for stor grad handle om døgnplasser på psykisk helse- og rusområdet. Vi må heller snakke om hvordan vi videreutvikler de gode modellene, hvor tjenestene tilpasser seg pasientens behov og setter den enkelte i stand til å mestre sitt eget liv. Vi må også bli mer opptatt av hva som er viktig for pasientene enn hva vi tilbyr pasientene. Om vi låser oss i det siste spørsmålet, vil vi alltid skue bakover bakover og bli komfortable i et gammeldags tankesett og gammeldagse måter å tenke rundt tjenestene. Det ønsker ikke jeg for psykisk helse- og rustjenestene. Vi må selvsagt også ha gode døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Særlig på rusfeltet er det mange som kan trenge lengre behandlingstid i døgninstitusjon for å bli tryggere og lære å leve livet sitt annerledes enn det som de har vokst opp med, kanskje på gaten. Helt siden regjeringen tiltrådte, har vi vært helt klare på at vi prioriterer psykisk helse og rus. Derfor har vi utarbeidet en opptrappingsplan for rusfeltet, gjeninnført den gylne regel, vi jobber nå for å innføre pakkeforløp for rus og psykisk helse, vi har innført ordningen med fritt behandlingsvalg – først for nettopp disse pasientgruppene – og vi innfører nå også krav om psykologkompetanse i kommunene. Jeg har tiltro til at kommunene både kan og vil prioritere psykisk helse og rusarbeid. Men den forrige regjeringens insisterende holdning om at psykisk helse og rus måtte holdes utenfor da virkemidlene i samhandlingsreformen ble innført, har hatt konsekvenser for kommunenes prioriteringer. Det er forståelig at det gikk som det gikk. At verken kommunal medfinansiering, betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter eller plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold gjaldt for mennesker med psykisk helse- og rusproblemer, har selvsagt en effekt. Den effekten ser vi i dag. Vi ønsker å motvirke den effekten. Vi har avskaffet kommunal medfinansiering. Fra neste år vil plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene også omfatte psykisk helse og rus, og vi tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter så raskt som mulig. Allerede neste år vil vi ta grep for å styrke samhandlingen om de utskrivningsklare pasientene. I dag er noe mellom 3,5 og 7 pst. av liggedøgnene i psykisk helsevern utskrivningsklare pasienter, og for tverrfaglig spesialisert behandling er tallet mellom 0,5 og 1 pst. Det høres ikke ut som en stor andel, men faktum er at mange av disse pasientene er utskrivningsklare svært lenge. Ser vi på gruppen som er registrert i Norsk pasientregister, ser det ut som pasienter i psykisk helsevern i gjennomsnitt er utskrivningsklare i omtrent 60 dager. Jeg er ikke fagperson på dette området, men man trenger ikke ha spesielt god innlevelsesevne for å forestille seg håpløsheten, maktesløsheten og frustrasjonen som er nødt til å bygge seg opp hos pasienter som må vente i to måneder på å bli skrevet ut. Ingen hadde akseptert at en kreftpasient eller en hjerteoperert måtte holde seg på sykehuset i to måneder etter behandling fordi kommunen ikke hadde det tilbudet de skulle hatt, når de var ferdige på sykehuset. Når jeg allikevel ikke innfører betalingsplikten i 2017, handler det om risiko. Når datakildene våre spriker såpass mye som de gjør, kan vi ikke innføre ordningen uten at vi risikerer en svekkelse i tilbudet til pasientene. Om uttrekket fra sykehusene blir større enn det reelle antallet utskrivningsklare pasienter, vil tilbudet i sykehusene bli redusert. Om uttrekket blir for lite, vil det kommunale tilbudet bli skadelidende. Derfor må vi ha bedre datakvalitet. Men dette betyr ikke at vi skal sitte stille og se på at medmennesker bor lange perioder i sykehus etter at de har mottatt behandling. En betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innebærer ikke noe nytt ansvar for kommunene. De har allerede et krystallklart ansvar for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester, også til innbyggere med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet. Samtidig vil mange av pasientene som i dag er utskrivningsklare fra døgnopphold i spesialisthelsetjenesten, fortsatt ha omfattende behov for spesialisert helsehjelp. God planlegging og godt samarbeid mellom pasient, kommune og spesialisthelsetjeneste er helt avgjørende for å lykkes med å lage gode tjenester til beste for brukerne. Derfor ønsker jeg et samarbeid med KS om å se på hvordan vi kan tydeliggjøre kravene til planlegging og samarbeid om utskrivningsklare pasienter. Jeg håper at vi skal kunne gjøre dette allerede fra 2017. Pakkeforløpene for psykisk helse og rus er et annet viktig virkemiddel for å styrke koordinering, samarbeid og brukerinnflytelse. Arbeidet med å utvikle slike pakkeforløp skal i gang til høsten. der det blir lettere for pasienten å velge behandling i samråd med behandlerne, vil kunne gi bedre og mer likeverdig behandling for alle. Interpellanten spør hva som er min plan og mine virkemidler for å sikre et forsvarlig tilbud til pasienter med rus- og psykiske helseutfordringer. Til det vil jeg si at våre viktigste planer finner en i folkehelsemeldingen, Nasjonal helse- og sykehusplan og opptrappingsplanen for rusfeltet. Stortinget har behandlet alle disse dokumentene, og flertallet har sluttet seg til retningen som pekes ut. Også virkemidlene er beskrevet i disse dokumentene – som f.eks. å lovfeste plikt til psykologkompetanse i kommunene, å innføre pakkeforløp for rus og psykisk helse, å innføre virkemidlene i samhandlingsreformen også for disse pasientgruppene, styrke det kommunale rusarbeidet, fortsette å prioritere rus og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten og – ikke minst – fortsette å styrke brukernes innflytelse på helsetjenestene. Det er brukerne og pasientene selv som er det viktigste virkemidlet for å skape pasientens helsetjeneste og for å sikre at vi ikke blir stående fast i gårsdagens løsninger på det som er morgendagens utfordringer. Og jeg er helt overbevist om at med det sterke engasjementet som nå er i regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre

betre førebudd enn det ein no legg opp til. Samtidig har vi fått ein riksrevisjonsrapport, som eg ikkje høyrer statsråden seia så veldig masse om, som seier ein del ting om korleis det gjekk trass i at det var førebudd og ikkje minst gjaldt eit område

på dette området er kommunane mykje dårlegare stilte til å kunna ta imot pasientar frå sjukehus. Eg er einig i at desse økonomiske tiltaka og verkemidla skal innførast. Det eg er ueinig i, er at det skal innførast allereie no. Da fryktar eg at vi gjer same feilen om igjen. Eg er heilt einig i at pasientar innan rus og psykiatri sjølvsagt ikkje skal verta verande på sjukehus. Eg har ivra for dette bl.a. på Haukeland i Bergen. men det må vera eit samsvar: Når vi gjer ei omlegging som er vilja både fagleg og politisk, må ein kunna vurdera om det skjer for raskt og for fort, eller om ein skal stoppa opp litt og sjå at det nedste leddet har fått sjanse til å auka kapasiteten og kvaliteten sin. Det er en sammenheng mellom det å alltid la pasienter med rus- og

har prioritert disse pasientgruppene, og det er fordi en i samhandlingsreformen innførte sterke økonomiske incentiver til å prioritere andre pasienter. Da kan jo ikke svaret på det være å utsette dette ytterligere. Nei, svaret er at nå må kommunene prioritere å bygge opp tilbud til disse pasientgruppene. Det får de også økonomisk hjelp til gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet. Det får de gjennom de overføringene som overføring av nye oppgaver gir, og dette har betydning for kommunenes prioritering. De kommunale øyeblikkelig hjelp-sengene har en beleggsprosent på 40 pst. De har plass. Folk har en kombinasjon av ulike sykdommer, og når mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer lever 20 år kortere enn befolkningen ellers i Norge, er

ikke vi også er tydelige på at disse sengene også gjelder mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer, så er jeg redd for at når en pasient som bor i en kommune og har behov for et kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud, kommer med sitt sammensatte sykdomsbilde, med noen somatiske sykdommer, med en rusavhengighet, med noen psykiske helseutfordringer, så blir svaret stopp i døren: Du er rusavhengig, du har en psykisk diagnose, da skal du ikke få hjelp her, for dette er et tilbud kun til somatiske pasienter. En sånn utvikling se på, og derfor må vi ta i bruk disse virkemidlene i kombinasjon med de andre virkemidlene jeg omtalte i mitt innlegg, nettopp for å bidra til at også mennesker med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet opplever at de bor i en kommune som er opptatt av dem, som de er velkommen hjem til, som bygger opp tilbud til dem, der de har bolig, arbeid og aktivitet. Så vet vi at det virker. Det er det som er helt grunnleggende. Blant de aller, aller sykeste vet vi at det virker. Det fører til mindre tvang, det fører til mindre behov for sykehusopphold, og det fører til bedre mestring. Da er det ikke den enkelte som er «håpløs», slik de ofte er blitt omtalt i kommunestyrer i denne typen diskusjoner. Da er det tjenestene våre som har vært «håpløse». Jeg vil først takke representanten Kjersti Toppe for å ta opp dette temaet, for i alle undersøkelser viser det seg at det er i overgangen mellom spesialist og Jeg vil først takke representanten Kjersti Toppe for å ta opp dette temaet, for i alle undersøkelser viser det seg at det er i overgangen mellom spesialist og kommune og kommune og spesialist at vi har et av de mest sårbare, utsatte og risikofylte områdene. Arbeiderpartiet er i tvil når det gjelder hastigheten med å få det innført. På den ene siden har vi erfart, når vi har vært ute på komitéreiser og på besøk, at ruspasienter blir lagt inn til veldig gode tilbud i spesialisthelsetjenesten, og så blir de skrevet rett ut til hospits – altså en behandling av våre medborgere som ikke hører hjemme noe sted. På den andre siden – som flere har vært inne på, statsråden og representanten Kjersti Toppe – er det ingen tvil om at veldig mange av disse pasientene vil få en langt bedre kvalitet på livet sitt ved å få en normalitet rundt seg, få botrening og tilpasning til arbeidslivet. Vi vet også at det er, til forskjell fra i somatikken, mer sammensatte lidelser knyttet til ruspasienter. Det er både psykiatriske diagnoser, rusdiagnoser og somatiske utfordringer. Å fange dette opp

øverste hylle for å få gode resultater, og hvor de tok de enkleste pasientene for å tilpasse dem i boliger. Innenfor psykisk helse har man egentlig kommet lenger. Døgntilbud blir trappet ned, mens man i større grad får dagtilbud, hvor man også kan opprettholde relasjonene knyttet til eget nettverk og tilpasning til bolig og arbeid. Når det gjelder finansiering,

Det er helt rett at vi har ledig kapasitet på øyeblikkelig hjelp-sengene. Men det er også knyttet opp mot at man ikke har fått ordningen på plass i forhold til fastleger, kommunal og spesialist. Man har ikke fått det engasjementet knyttet til hvordan de skal brukes på rett måte. Det vil i aller høyeste grad også gjelde innenfor rus og psykiatri. Når det gjelder ruspasienter, har Arbeiderpartiet – når vi har vært rundt og besøkt institusjoner – sett at det kanskje er behov for å ta samhandlingsreformen enda lenger ut enn det vi har gjort innenfor somatikk. Da vil jeg gjenta det vi opplevde da vi besøkte en av de tyngste rusinstitusjonene som Helse Bergen har, Floenkollektivet, som har tatt i bruk den metodikken hvor de helt i oppstarten av behandling metodikken hvor de helt i oppstarten av behandling tar jobbstøtte-metodikken i bruk, slik at de tilpasses bolig. Da trenger man en kombinasjon av kommunal tjeneste, spesialisthelsetjeneste og ikke minst samarbeid med Nav. Når det gjelder den kvaliteten som er knyttet til det tilbudet som kan gis i kommunene, vi nå et nytt kommunalt register som kan gi en bedre oversikt over kvaliteten. Men det tar lang tid før vi får fram data i tilstrekkelig grad, så der er vel kanskje den største bekymringen fra Arbeiderpartiets side den manglende kunnskapen vi har i kommunene for å sikre at de mest sårbare pasientene får et så godt så godt tilbud som mulig. Som opposisjon presser vi på der hvor vi ser svakheter, og så forventer vi – og er gjerne med på å drøfte – gode svar der vi ser muligheter. Stor takk til interpellanten, Kjersti Toppe, som løfter en problemstilling som jeg tror alle er Stor takk til interpellanten, Kjersti Toppe, som løfter en problemstilling som jeg tror alle er klar over at er viktig også for regjeringspartiene. Jeg vil også takke statsråden for et godt svar. Denne saken demonstrerer jo til fulle at politikk virker, at samhandlingsreformen har hatt sine effekter, og at hvis en stimulerer til handling, har det en tendens til å skje ting. Det som er noe av utfordringen, er at det har skjedd mye innenfor somatikken, og så har en ikke prioritert dette feltet, og det mener jeg at statsråden har balansert godt ut i sitt svar. Så er det også en annen del av dette. Her diskuterer en tallene på et veldig overordnet nivå, men hvis en går på kommunenivå, er det jo enda større forskjeller. Det er en av grunnene til at vi i Høyres helsefraksjon vitser med at vi er den fraksjonen i Høyre som er mest for en stor kommunereform. Det kunne jo vært hyggelig å ta den kommunedebatten nå, men da får vi vel hele Stortinget på nakken utover kvelden. Interpellanten skal ha rett i én ting: Antallet døgnplasser i psykisk helsevern har blitt redusert i perioden 2010–2014, men det må vi se i sammenheng med andre deler av helsevesenet. Antallet opphold på DPS-er, distriktspsykiatriske senter, har gått opp og antallet sykehusinnleggelser har økt i samme periode.

Innen det faglige miljøet er det selvfølgelig forskjellige meninger om hva som er det beste for den enkelte pasient, men det er i hvert fall helt sikkert at en har beveget seg vekk fra tanken om at innleggelse i døgntilbud er det beste tilbudet. Derav er det kommet opp en del debatter rundt omkring i lokale helseforetak. Det protesteres mot at døgntilbud legges ned, men i mange tilfeller kan det være en god sak, men en må selvfølgelig bygge opp andre, tilsvarende tilbud. Ordningen med ACT-team demonstrerer at en kan komme langt ved å tenke nytt, og jeg synes svaret fra statsråden, som jeg stiller meg 100 pst. bak, viser at regjeringen tenker nytt i disse spørsmålene. Samtidig må en balansere dette opp mot andre deler av helsevesenet, og en må også ta innover seg forebyggingsbiten, det en gjør innenfor psykisk helse hos ungdom, satsing på psykologer i kommunene alt dette henger sammen. Vi må ta utgangspunkt i hva som er viktig for pasientene, og ta innover oss at pasienter er like forskjellige som vanlige folk. Jeg vil fortelle litt om de tingene som har gjort mest inntrykk på meg i min tid som stortingsrepresentant. Det er møter jeg har hatt med nettopp denne pasientgruppen. Det ene var et møte som flere her var til stede på, med Forandringsfabrikken, med unge mennesker som hadde hatt det tøft, og som fortsatt hadde det tøft, som fortalte om sine møter med helsetjenesten da de kom med sine problemer knyttet til psykisk helse. Det som satt igjen som et inntrykk, var at de møtte forskjellige behandlere hver gang. De møtte ikke den samme, det var litt for tilfeldig, egentlig var det et mål om å bli ferdig med timen, slik at de kunne få ta neste pasient. Det er litt for mye sånt, ut fra de pasienthistoriene jeg hører. jeg hører. Jeg har hatt møter med Mental Helse, bl.a. i min hjemby, Haugesund, og de forteller akkurat det samme: De blir innlagt på en institusjon. Så opplever de at de er et fremmedelement og får beskjed om å sitte stille og være på rommet sitt. Det er ikke aktiv behandling. Aktiv behandling er å hjelpe folk og rehabilitere dem i det miljøet de faktisk trives i. Når en snakker med folk som har vært innom et DPS, er det interessant at de kan fortelle at

de forskjellige DPS-ene. Vi har fortsatt en vei å gå innenfor spesialisthelsetjenesten for å få dette på plass. Men overskriften er at pasienter som sliter med psykiske helseutfordringer, ønsker å bli sett og å komme inn i samfunnet, og jeg tror ikke veien inn i samfunnet er gjennom institusjonalisering. Jeg tror det er gjennom oppsøkende team

Særlig rusfeltet er preget av et stort mangfold av tjenester og tiltak, fra lavterskel til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tilbudene, i særlig grad døgnbasert behandlingstilbud, baserer seg på svært ulik behandlingsfilosofi. Dette representerer en kvalitetsmessig utfordring i et felt med svakt evidensgrunnlag. Det er stort behov for mer standardisert behandling og, som statsråden var inne på, mer bruk av pakkeforløp. Vi må i større grad kunne måle kvalitet og effekt av behandlingen. Vi trenger mer forskning og utvikling. Vi trenger altså mer og styrket evidensgrunnlag. Men vi trenger også økt kapasitet, også i kommunene – ja, vi trenger også økt kompetanse i kommunene. Flere refererer til møter og ekskursjoner, og jeg har vært på besøk i Sarpsborg kommune. De har skaffet seg en differensiert boligpolitikk som jeg, til tross for at jeg har sittet i kommunestyret i 16 år og har vært med på å behandle flere boligsosiale handlingsplaner, ikke har sett maken til overfor dem vi snakker om nå. De har containerboliger for dem som ikke er motivert for noen behandling, de har behandlingsboliger for dem som er inne i et behandlingsforløp, og de har rusfriboliger for dem som har vært igjennom et forløp, og som ikke skal bo sammen med dem som fortsatt er rusavhengige. De har sågar en egen erfaringskonsulent i kommunen. Alle kommuner burde ha en slik boligpolitikk overfor rusavhengige. I min egen kommune har vi STYRK-tilbud, og LAR-pasienter er et eksempel på en behandlingsgruppe som har vokst voldsomt de siste ti årene. Før år 2000 fantes nesten ikke legemiddelassistert rehabilitering. Det er altså en helt ny pasientgruppe.

og flere burde gjøre som Trondheim kommune, å utvikle helsevakttilbud, i tillegg til at vi også skal utvikle ACT-team og andre mobile team. Men vi må også snakke om elefanten. Det er kommunereform, som kan styrke kapasiteten og kvaliteten i kommunene. Kommunereformen i 1964 ble til bl.a. for å bygge boliger, for å bygge ut infrastruktur og tekniske tjenester, for å bygge ungdomsskoler. I dag er motivet for en kommunereform velferdstjenestene, som er nødt til å styrkes. Som jeg sa, LAR-pasientene, narkotikarelatert rusavhengighet – vi visste jo ikke hva det var på har vokst enormt, og vi har altså i dag fått tusenvis av pasienter i LAR. Men det i seg selv gjør at vi er nødt til å diskutere disse utfordringene. I tillegg er dette en stor grad av omegnsutfordring. Gjøvik kommune, en gammel industriby med klassiske sosiale utfordringer og avhengighetsutfordringer, har mange av omegnens og mange av omegnens og nabokommunenes ruspasienter på besøk hver eneste dag, sågar mange netter. Mange av dem mangler botilbud. Men det å finne samarbeidsfora knyttet til å styrke tilbudet til disse pasientene, enten det er botilbud eller øvrige behandlingstilbud, viser seg veldig vanskelig, og det er svært lite interkommunalt samarbeid om disse pasientgruppene. Så,

når de kommer ut. Det er en utfordring jeg har til regjeringen, og det er at de må styrke dette feltet mye mer enn det de har gjort, for det er boligprisene som knekker folks mulighet til å klare seg sjøl nå. Har man en sykdomshistorie og en rushistorie, er det få av dem som har noe særlig penger til egenkapital. Det er prosjekter, som dem representanten Kjenseth fortalte om fra Sarpsborg. Det er Housing First-prosjekter, det er leie-til-eie-boliger, men det er helt nødvendig at Husbanken har finansiering til å kunne gå inn i disse prosjektene, og der har regjeringen kuttet. Det er noen økninger på noen av tilskuddene, det er bra, men det er altfor lite til å gjøre noe med dette, og vi kan bruke ufattelig mye penger på dette uten at det kommer til å gjøre stor forskjell hvis ikke folk har et trygt SV var enig med regjeringen når det gjaldt den kommunale medfinansieringen, men vi er bekymret for takten nå med å pålegge kommunene økt ansvar for dette før vi har klart å bygge opp et tilsvarende tilbud på kommunalt nivå. Jeg hører mange nå sier at det går så utrolig bra med den somatiske samhandlingsreformen. Det varierer ganske mye fra kommune til kommune

både avklaringen av oppgaven og også hvordan dette skal kunne bygges opp. Jeg ser at regjeringen har lagt inn 300 mill. kr i kommunenes frie inntekter, men: Punkt 1: Det er for lite. Punkt 2: Det må i så fall øremerkes. Man kan godt holde på og løfte pekefingeren og mene at dette tar ikke kommunene på alvor, men hvis man mener det for alvor fra statens side, så fall øremerkes. Man kan godt holde på og løfte pekefingeren og mene at dette tar ikke kommunene på alvor, men hvis man mener det for alvor fra statens side, må man si at disse pengene skal brukes til dette. Når det gjelder barnevernet, har regjeringen gjort det nå – i fjor og i år – akkurat som vi gjorde da vi satt i regjering. Vi prøvde uten, og det gikk ikke, og det er så viktig. Dette er også viktig. Dette er noen av de samme menneskene som før har mange ting som må på plass. KS sa også at de mente det var helt nødvendig å styrke DPS-ene før dette ble nødvendig, slik at man kunne få behandling raskt når man trengte det, og at det ikke var godt nok utbygd til nå til at man kunne foreta denne omleggingen nå.

Men jeg vil også løfte en liten advarende pekefinger mot å tro at man kan effektivisere alle typer behandlingsløp ned til fastsatte tidsrammer osv. Det lar seg ikke gjøre. Jeg har også gjennom mange år besøkt ganske mange institusjoner, og noen av dem behandler f.eks. dobbeltdiagnoser, der man nå er nede i veldig korte behandlingsløp, slik at man knapt er edru før man skal ut igjen.

kombinert med rus har helt andre forløp enn det somatiske sykdommer har. Senterpartiet sin plan for å

at dette ikkje kjem for tidleg ‒ det kjem for seint. Da vil eg minna om at da vi innførte samhandlingsreforma, var dagens regjeringsparti kritiske når vi i den sa at vi tok sikte på å innføra dette for rus og psykiatri. Så no er heile problemstillinga vorten snudd. Viss statsråden meiner at det kjem for seint, kvifor har han da venta i tre år? Og kvifor har han utsett det i eitt år ut ifrå det som var varsla i sommar? Det er vel fordi som det står i kommuneproposisjonen, at det er «usikkerhet i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen uten betydelig risiko for tjenestetilbudet». Eg meiner at ein ikkje skal avfeia bekymringane mine fordi regjeringa sjølv kanaliserer det i kommuneproposisjonen. Når det gjeld strakshjelp-sengeplassar i kommunane, høyrer eg statsråden argumenterer med at det er plass. Men alvorleg tala, det er ikkje snakk om å ha ein plass ‒ det er snakk om å ha eit behandlingstilbod. Det er ikkje det same å behandla ein pasient med KOLS eller ei forverring av andre kjende somatiske sjukdomar, som det er å ha eit fagleg tilbod for dei med problem med rus og psykisk helse. Er dei Er dei fagpersonane til stades i kommunane no? Er dei der til nyttår? Det er spørsmålet mitt. Betalingsplikta for utskrivingsklare pasientar skal koma i 2018. Mitt spørsmål regjeringa og statsråden kan garantera at det ikkje skjer det same som har skjedd i somatikken, at kvaliteten i tilbodet for dei som er skrivne ut, er for dårleg, slik som Riksrevisjonen har påpeikt. Vi takkar alle dei som har hatt innlegg. Det er ikkje så stor usemje om målet, men det går på om

psykisk helse, har en bolig fra før, og det er ikke det som er hovedutfordringen, men at en ikke får et godt nok oppfølgingstilbud i kommunen som en bor i, og blir for lenge på institusjon. Ellers var representanten Karin Andersens innlegg et kraftig oppgjør med konsekvensene av forrige politikk. Det skal jeg la ligge. Det er helt klart at det nå er viktig å være tydelig på kommunenes ansvar, også for disse pasientene. Representanten Toppe setter spørsmålstegn ved det tilbudet som disse pasientene skal få i de kommunale øyeblikkelig hjelp-sengene. Det er helt sentralt at de kommunale øyeblikkelig hjelp-sengene ikke er senger som er etablert fordi de skal være et alternativ til en spesialisthelsetjeneste i de tilfellene der pasienten har bruk for spesialisthelsetjeneste. Disse sengene er etablert fordi kommunehelsetjenesten skal ha en mulighet til å legge inn pasienter som de vurderer er i en situasjon der de ikke tar sjansen på at pasienten er hjemme, men at pasienten skal ha oppsyn og hjelp av helsepersonell på primærhelsetjenestenivå. Jeg forventer faktisk at en lege som er utdannet til allmennlege, også er i stand til å gi hjelp til et menneske som har rusproblemer og psykiske helseutfordringer, på et primærhelsetjenestenivå. Har pasienten behov for spesialisthelsetjeneste, skal pasienten selvfølgelig komme til spesialisthelsetjenesten. Slik er det innen somatikken, og jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være annerledes innen feltene rus og psykisk helse. Vi vet at disse virkemidlene virker, og skal vi komme oss ut av den situasjonen hvor man hele tiden konstaterer at kommunene ikke prioriterer denne gruppen, at det ikke er et godt nok tilbud, så må vi ta i bruk noen av de virkemidlene vi ser at virker. Det er nettopp det regjeringen foreslår – samtidig som vi har en opptrappingsplan for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

Hovedproblemet var for dårlig styring, ledelse og organisering av Prosjekt 1. Komiteen påpekte at egne dyktige fagfolk, som visste hva en trengte hjelp til fra innkjøpte konsulenter, var avgjørende for å få et godt resultat. Det var en enstemmig kontrollkomité som i Innst. 272 S for 2014–2015, avgitt 21. mai i 2015, fremmet det som ble Stortingets anmodningsvedtak

i Arbeids- og velferdsetaten, Moderniseringsprogrammet, med en anbefalt kostnadsramme på totalt 1,316 mrd. kr. Prosjekt 2 er planlagt gjennomført i perioden Prosjekt 1 i Moderniseringsprogrammet ble fullført i 2015, med mindre funksjonalitet enn opprinnelig planlagt i 2015. Dette prosjektet har bl.a. levert nye styringssystemer for uføretrygd og ny plattform for digitale sjølbetjeningsløsninger. I Prosjekt 1 ble det ikke levert en ny, gjenbrukbar vedtaksløsning, som opprinnelig planlagt. Uføretrygdløsningen ble isteden utviklet på samme plattform som pensjonsløsningen. Komiteen viser til at Prosjekt 1 ble levert etter planen når det gjelder tid og kostnad, men altså i mindre omfang enn opprinnelig planlagt. Komiteen merker seg at som følge av problemene som oppsto i Prosjekt 1 og den manglende leveransen av ny vedtaksmodul, har planleggingen av Prosjekt 2 blitt vesentlig mer omfattende enn opprinnelig tenkt og har tatt mer tid. Prosjekt 2 i Moderniseringsprogrammet er konsentrert om modernisering av arbeids- og velferdsforvaltningens ytelsessystemer. ytelsessystemer. I Prosjekt 2 er det planlagt å utvikle en gjenbrukbar vedtaksløsning for individbaserte ytelser. Vedtaksløsningen vil sammen med plattformen for digitale sjølbetjeningsløsninger benyttes til å lage nøye løsninger for foreldrepenger og engangsstønad. I tillegg framgår det av proposisjonen at Prosjekt 2 vil sluttføre arbeidet med spesialisering av ytelsesforvaltningen, som er viktig for å realisere gevinstene fra moderniseringsprosjektet. Vi har merket oss at Arbeids- og sosialdepartementet mener at det ikke foreligger noen alternativer for gjennomføring av Prosjekt 2 som er mer effektive eller vil ha lavere risiko enn forslaget som er fremmet i proposisjonen. Derfor – og det er viktig – har komiteen ikke grunnlag for å gå imot konklusjonen til departementet. I den foreliggende proposisjon, Prop. 67 S for 2015–2016, orienteres det om totalsituasjonen for framdriften i Moderniseringsprogrammet. Moderniseringsprogrammet. Komiteen forstår det dilemmaet som er knyttet til risiko i Moderniseringsprogrammet og videre framdrift i IKT-prosessen. Vi legger til grunn at Arbeids- og sosialdepartementet i ordinære dokumenter orienterer Stortinget om framdriften i Prosjekt 2, og at komiteen er enig i at Stortinget skal forelegges forslag om tilslutning til Prosjekt 3 i Moderniseringsprogrammet etter at Prosjekt 2 er gjennomført og Prosjekt 3 er Komiteen vil understreke at poenget med Moderniseringsprogrammet er å få så mye som mulig av moderniserte IKT-løsninger i Arbeids- og velferdsetaten innenfor en nøktern prosjektrisiko. Og her er vi ved hovedpoenget, her er vi ved hovedutfordringa i hele dette dokumentet. Hovedpoenget er altså å sikre framdriften. Det har vært viktig for statsråden, og det har vært viktig for komiteen.

fastlagt. Oppstart av Prosjekt 2 i moderniseringen av IKT-systemene i Arbeids- og velferdsetaten er en viktigere sak enn overskriften ved første øyekast kan tyde på. Nav-reformen er en reform for brukerne. Der folk tidligere opplevde seg som kasteballer mellom trygdekontor, arbeidskontor og sosialkontor, skulle det nå bli én dør inn til hele spekteret av Brukeren skulle stå i sentrum, individuell plan skulle skreddersys i samarbeid med den enkelte, basert på den enkeltes ressurser, ønsker og muligheter. Det var en stor reform. Da Odelstinget 7. juni 2006 så godt som enstemmig vedtok Nav-reformen, var det slutten på en lang og til dels kronglete utrednings- og saksbehandlingsprosess, men det var samtidig starten på en ny og – skulle det vise seg enda lengre og enda mer utfordrende prosess kalt gjennomføring, og den er på langt nær ferdig. Komiteen har for tida stortingsmeldingen om Nav til behandling, og den viser med all tydelighet at det fortsatt er mye som må på plass før Stortingets vedtak fra 2006 er gjennomført. IKT-moderniseringen er bare ett element i dette bildet, men likevel et viktig et. I St.prp. nr. 46 påpekes det ganske riktig at det er helt nødvendig å modernisere arbeids- og velferdsforvaltningens IKT-systemer for at målene med Nav-reformen skal kunne nås, så egentlig behandler vi i dag et kjernepunkt i gjennomføringen av hele reformen. Ingen er overrasket over at dette var og er en stor og komplisert oppgave. Ulike dataløsninger i ulike etater på ulike nivåer er et velkjent problem i hele offentlig sektor. Med Nav-reformen møttes plutselig alle disse systemene på en måte som ingen hadde tenkt seg den gangen de ble innført rundt omkring. Til og med internt i trygdeetaten hadde man på et tidspunkt greid å rigge seg opp med to ulike datasystemer fordi man på et avgjørende tidspunkt i digitaliseringen av trygdeetaten ikke greide å bli enig med seg selv om hva man skulle velge. Det ble derfor sagt klart og tydelig fra til Stortinget at IKT-moderniseringen i Nav måtte skje gradvis og kontrollert. Det skulle i perioder vise seg å bli mer gradvis enn forutsatt, og mer ukontrollert enn kontrollert – både resultat- og pengemessig. Men jeg lar den delen av saken ligge, den har vært gjenstand for egne runder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det som er viktigst for oss i arbeids- og sosialkomiteen nå, er at moderniseringsprosjektet kommer på skinner og blir mer forutsigbart når det gjelder gjennomføringen, for det er fortsatt slik at Nav-reformen er avhengig av at IKT-systemene kommer på plass og fungerer. Dette handler om hovedinntekten til mange mennesker og at den skal komme til rett tid og med rett beløp. Det handler om forsvarlig oppbevaring og bruk av sensitive personopplysninger, og det handler om å frigjøre ressurser fra enkle oppgaver for å jobbe målrettet og sammensatt med dem som vil og kan leve av inntekt fra eget arbeid. Da må de 19 000 ansatte få det verktøyet de trenger for å gjøre en best mulig jobb. De må få muligheten til å frigjøre tid for å jobbe tett opp mot et arbeidsmarked der ledigheten for tida er den høyeste på over 20 år. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i sin gjennomgang av Moderniseringsprogrammet vektlagt statsrådens konstitusjonelle ansvar for å sørge for at det ikke kommer nye I den forbindelse hadde Arbeiderpartiet noen spørsmål til statsråden om forhold som vi mente ikke gikk helt klart fram av proposisjonen, og som vi fikk svar på i brev i april. Jeg nevner bare et par av de viktigste tingene. For det første: Selv om kostnadsrammene for Prosjekt 2 nå ikke økes, så er innholdet krympet. Når Prosjekt 3 er ferdig i 2020, er det fortsatt prosjekter som gjenstår, så vi snakker i realiteten fortsatt om kostnadsoverskridelser, uten at de framgår i kroner og øre. Vi har spurt om statsråden har tenkt på det motsatte, å be om mer penger og bli fortere ferdig, og hun svarer at det er vurdert, men forkastet av kapasitetshensyn. Det andre jeg vil nevne, er KMDs digitaliseringsrundskriv der virksomhetene der det er relevant, pålegges å bruke I 2014 sa Altinn at de hadde gode løsninger også for Nav, men statsråden har på spørsmål fra oss svart at Altinn også er vurdert og forkastet. Som saksordføreren var inne på, har vi ikke grunnlag for å vurdere disse spørsmålene annerledes. Så la meg derfor avslutte med å ønske statsråden lykke til med videre framdrift i Navs IKT-prosjekt. Det er viktig for brukerne at hun lykkes. spørsmålene annerledes. Så la meg derfor avslutte med å ønske statsråden lykke til med videre framdrift i Navs IKT-prosjekt. Det er viktig for brukerne at hun lykkes. Jeg vil først takke saksordføreren for et grundig og samlende arbeid der enkeltmennesket og tilrettelegging for et aktivt yrkesliv står i sentrum. Regjeringen bygger sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Arbeidskraften er samfunnets viktigste ressurs, og det er derfor behov for en aktiv arbeids- og velferdspolitikk med sikte på at flest mulig skal Høy sysselsetting bidrar til å sikre finansieringen av velferdsordningene og gir mulighet til å videreutvikle velferdssamfunnet. Det er samtidig viktig å ta hensyn til at ikke alle klarer å skaffe seg arbeid på egen hånd. Da kan det være nødvendig at det offentlige bidrar. Arbeids- og velferdspolitikken må legge til rette for at personer som har problemer med å få innpass i arbeidsmarkedet, kan få en egnet jobb, og motvirke at personer i yrkesaktiv Dette omfatter også kvalifisering og tilrettelegging i form av tilpassede oppgaver til dem som trenger det. Et inkluderende arbeidsliv med plass til alle og en arbeids- og velferdspolitikk som understøtter denne visjonen, er, sammen med utdanning og gode helsetjenester, helt sentrale virkemidler også i kampen mot fattigdom og Når regjeringen for kort tid tilbake la frem Meld. St. 33, NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, understreker det den vekt regjeringen legger på å få flest mulig ut i arbeid, fordi arbeid er viktig for den enkelte, men også fordi det er viktig i utviklingen av velferdssamfunnet. Meldingen handler om forslag til tiltak for å gjøre arbeids- og velferdsforvaltningen mer robust i møte med fremtidens utfordringer. En viktig bidragsyter i dette arbeidet er det enkelte lokale Nav-kontor som legger til rette for at flest mulig er eller kommer i arbeid. For å klare oppgaven er Arbeids- og velferdsetaten avhengig av gode IKT-løsninger. Derfor har regjeringen fremmet Prop. 67 S til Stortinget for å få tilslutning til å starte Prosjekt 2 av modernisering av IKT-løsningene i Arbeids- og velferdsetaten – dette for å nå målene i Det er et mål at IKT-løsningene skal være brukervennlige slik at man kan oppnå en mer effektiv saksbehandling der man får frigitt mer tid til dem som behøver tettere oppfølging for å komme seg ut i arbeidslivet. Det er alltid utfordringer ved utvikling av nye IKT-systemer, men samtidig er det viktig å modernisere for å møte fremtidens behov. Nye IKT-løsninger kan kvalitetssikre og effektivisere søknader slik at man får mindre avvik, mindre byråkrati

enkelte. Jeg håper jeg ikke tar munnen for full når jeg sier det slik at alle partier her på Stortinget nok er enige om at offentlig sektor bør moderniseres og effektiviseres. Fremskrittspartiet er for modernisering og effektivisering av offentlig sektor. En kan nesten si at det er det vi er grunnlagt på, men vi er også klinkende klare på at effektiviseringen bør gjennomføres på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, ellers er det liten vits – eller så er det en vits. Regjeringen har som uttalt mål i Sundvolden-erklæringen: «mindre byråkrati, regulering og lavere skatter». Det er et mål jeg støtter, og mindre byråkrati er nettopp et av de målene vi når med Modernisering handler om å kunne tilby gode velferdstjenester innenfor kjerneområdene. Modernisering handler om at når det er enkle og uproblematiske saker, skal man slippe å bruke unødvendig tid på dette. Modernisering handler om å la saksbehandlerne bruke tiden på å hjelpe dem som virkelig trenger det. Modernisering handler også om å bruke mindre offentlige penger på ting som kan og bør gjøres enklere. Fremskrittspartiet mener at modernisering av IKT er det som skal gjøre den offentlige sektoren til et serviceorgan for brukerne. Når man forenkler og avbyråkratiserer dialogen mellom etaten og brukerne, vil flere få den hjelpen de har krav på, og de vil få den raskere. Vi kan vel være enige om at store offentlige prosjekter må styres på en god og målrettet måte, og da må vi sikre at vi får valuta igjen for pengene vi investerer. Mange store IKT-prosjekter har kostet langt mer enn de smakte, så vi må kvalitetssikre det vi gjør. Derfor er det bra at komiteen har vært så unison i sine merknader til saken. Det er bra for framdriften i prosjektet at det gis et klart mandat herfra. Så blir det opp til departementet og etaten selv å levere en mer effektiv og modernisert brukeropplevelse. Nav har vært gjenstand for mye kritikk og debatt. Saken vi behandler i dag, er

I tillegg til å møte disse menneskene forvalter Nav omkring en tredjedel av statsbudsjettet. Det er derfor viktig å sikre at etaten fungerer etter sin hensikt, og at de sidene som ikke fungerer, blir avdekket. Et velfungerende Nav er avhengig av gode IKT-løsninger som forenkler arbeidet for ansatte og for brukere. Det er viktig for å sikre at Nav er i stand til å iverksette politiske vedtak og sikre høy kvalitet på tjenestene for sine Et stort og omfattende moderniseringsarbeid av IKT-systemene i Nav ble i 2013 stanset da prosjektet ikke var gjennomførbart. Det ble avdekket manglende styring av samarbeidet mellom viktige parter i moderniseringsarbeidet. Dette ble behørig behandlet i forbindelse med Stortingets behandling av Riksrevisjonens årlige rapport for budsjettåret 2013. Kristelig Folkeparti vil stille seg bak komiteens understreking av alvoret i dette og at dette ikke må gjenta seg. Vi har merket oss at det fortsatt er knyttet risiko til gjennomføringen av Prosjekt 2, men at regjeringa anser denne som akseptabel. Vi legger her til grunn, slik også komiteen gjør, at Arbeids- og sosialdepartementet og Nav vil anstrenge seg for å gjennomføre Prosjekt 2 innenfor anbefalt kostnadsramme. Kristelig Folkeparti forventer dermed at det ikke blir nødvendig med ytterligere oppfølging fra Stortinget, slik som med Prosjekt og at regjeringa vil holde Stortinget orientert om framdriften i ordinære dokumenter. Kristelig Folkeparti støtter videre komiteens merknad om at Stortinget skal forelegges forslag til tilslutning til Prosjekt 3 i Moderniseringsprogrammet etter at det er kvalitetssikret, og etter at Prosjekt 2 er gjennomført. I proposisjonen ber jeg om tilslutning til å starte Prosjekt 2 av moderniseringen av IKT-løsningene i Arbeids- og velferdsetaten. Totalt anbefalt kostnadsramme inklusiv usikkerhetsavsetning er på Prosjekt 2 er ledd i en langsiktig og omfattende modernisering av IKT-systemene i Nav og er helt nødvendig for at målene med Nav-reformen skal nås. Brukerne må få tilgang til flere digitale tjenester, og saksbehandlingen må bli mer effektiv. Selvhjulpne brukere, elektronisk informasjonshenting og automatisering av saksbehandlingen gir bedre tjenester til brukerne og reduserer tidsbruken knyttet til veiledning og saksbehandling. Stortinget ga i 2012 sin tilslutning til å starte Moderniseringsprogrammet. Programmet består av tre prosjekter. Prosjekt 1 ble fullført i 2015, men med mindre funksjonalitet enn opprinnelig planlagt i 2012. Dette er det redegjort grundig for i to kontrollhøringer og i dokumentene til Stortinget, som også flere har vært inne på her i dag. Det er verdt å merke seg at Arbeids- og velferdsdirektoratet nå har levert det reviderte Prosjekt 1 innenfor kostnadsrammen og til rett tid. Prosjektet har levert nye systemløsninger for uføretrygd, og det er etablert ny plattform for digitale selvbetjeningsløsninger på et nytt nav.no. Disse løsningene er tatt i bruk bl.a. for dagpenger, brukernes innsyn i egen sak og digital innsending av søknadsskjemaer. Det er gledelig å se at brukerne i stor grad benytter løsningene, og at de som jobber med sakene i etaten, er meget fornøyd. Det er derfor viktig å komme i gang med Prosjekt 2 for å videreføre dette utviklingsarbeidet. I de planene jeg nå legger fram i proposisjonen, er det lagt vekt på å finne en riktig balanse mellom et stort behov for modernisering, samtidig som det er et stort behov for at framdriften er tilpasset den risikoen som alltid ligger i et så stort og komplisert utviklingsarbeid. Planene har vært gjennom ekstern kvalitetssikring, og anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer er tatt inn i styringsgrunnlaget for prosjektet. Jeg vil følge opp gjennomføringen av prosjektet ved hyppig rapportering og tett dialog med arbeids- og velferdsdirektøren. velferdsdirektøren. Departementet vil i tillegg innhente ekstern bistand for å foreta tekniske gjennomganger i tilknytning til leveransene fra Prosjekt 2. I Prosjekt 2 vil det utvikles en gjenbrukbar vedtaksløsning for korttidsytelsene foreldrepenger og engangsstønad ved fødsel. Det vil gi etterlengtede tjenester til brukerne og danne en nødvendig plattform for en gradvis utfasing av Infotrygd. I tillegg skal Prosjekt 2 sluttføre arbeidet med en spesialisering av ytelsesforvaltningen, som er viktig for å realisere gevinstene fra moderniseringsprosjektene. Jeg er derfor glad for støtten Stortinget i dag gir til forslaget. Som det framgår av proposisjonen, legger jeg videre vekt på at det nå er viktig å gjennomføre et Prosjekt 2 på en trygg og god måte. Det vil gi oss et grunnlag for å detaljplanlegge den videre moderniseringen i et Prosjekt der foreløpige planer er å utvikle moderniserte systemløsninger på sykepengeområdet og for svangerskapspenger. Jeg vil da naturligvis også holde Stortinget orientert om gjennomføringen av Prosjekt 2 i budsjettdokumentene. Den videre moderniseringen i et eventuelt Prosjekt 3 skal detaljplanlegges og igjennom ekstern kvalitetssikring på tilsvarende måte før Stortinget også der

lite tid fra Navs fagfolk til å sikre at søknadene er korrekte og i samsvar med brukernes behov. Ved den automatiseringen av enkle saker gjennom bedre IKT-løsninger som vi nå tilrettelegger for,

framover? Ja, absolutt. Det er jo det som er hele hensikten med IKT-moderniseringen, men også det som vi legger til grunn i den nylig framlagte Nav-meldingen om digitalisering og selvbetjente løsninger, er jo nettopp at man skal få til bedre løsninger for brukerne, at ansatte skal få frigjort viktig tid når de skal møte brukere som har mer sammensatte behov. Så ja, jeg kan bekrefte det.

i betydningen hvor mange fagfolk en kan ta ut i de enkelte kommuner, for dermed å møte virkelig mange av de personene som vi alle har erfaring med at i dag får for liten hjelp til det første møtet, den første søknaden, og få dette på rett kjøl fra starten av? Jeg tror det vil være ganske krevende på stående fot å skulle anskueliggjøre hvor mye tid per saksbehandler per kontor denne investeringen vil kunne medføre. Det vi legger til grunn i dokumentene våre, er at man får en samfunnsøkonomisk gevinst ved å realisere prosjektet. Det vi vet, er at jo bedre IKT-systemer og jo flere digitale løsninger vi har, jo mer tid vil bli frigjort for saksbehandlerne til å ha direkte brukerkontakt. Men så vidt meg bekjent har vi ikke foretatt noen beregninger av hvor lang tid per saksbehandler per kontor man vil spare. Det må man i så fall komme tilbake til, i den grad det er mulig å foreta den type beregninger. Jeg vil takke for svaret. Det var ikke hvor mye tid per sak som var hovedsaken, men at vi her står overfor en situasjon hvor en betydelig mengde fagfolk kan tas vekk fra trivielle oppgaver og dermed komme ut i møte med de menneskene som trenger det. Så det var en synliggjøring av hva det er vi her snakker om av forbedringer. Hvis det ikke skjer forbedringer her, vil vi fortsette med en situasjon hvor svært mange verdig trengende opplever et møte med Nav som er for flyktig, og som er basert på at man er innom en rekke ganger uten at man egentlig får presentert sin sak, og behandlet sin sak på en så grundig måte som er avgjørende for å komme på rett vei helt fra starten

i hele dette arbeidet handler det om å forenkle arbeidsoppgaver og prosedyrer gjennom tekniske løsninger, men også å forbedre den informasjonen man kan få, også digitalt, nettopp for å sørge for at folk får bedre informasjon, mer forståelig informasjon, at man får bedre selvbetjente løsninger for brukere og tekniske løsninger for ansatte – nettopp for å frigjøre viktig saksbehandlertid til brukere med sammensatte behov som trenger mer

lang dag, så eg skal ikkje dra ut tida unødig. Det er ein samrøystes komité som står bak innstillinga i denne saka. Eit par korte ord om bakgrunnen: Departementet har føreslått å endre formuleringa i folketrygdlova § 11-6. Slik han lyder i dag, er det eit vilkår for rett til arbeidsavklaringspengar at medlemene får aktiv behandling eller deltek på eit arbeidsretta tiltak. Proposisjonen medfører at ordlyden blir endra frå «får aktiv behandling» til «har behov for aktiv behandling» og at «deltar på et arbeidsrettet tiltak» blir endra til «har behov for arbeidsrettet tiltak». Bakgrunnen er at trygderetten igjen skal få moglegheit til å overprøve alle vurderingar som Arbeids- og velferdsetaten gjer etter folketrygdlova kapittel 11, også med heimel i denne At trygderetten skal ha den kompetansen, var lovgjevaren sin intensjon då ordninga vart innført. At trygderetten sin kompetanse i realiteten vart innskrenka, var med andre ord ikkje tilsikta og er i strid med det Stortinget hadde som intensjon då ordninga med arbeidsavklaringspengar vart innført. Saka er ei oppfølging av ei fråsegn frå Sivilombodsmannen i 2014, og eit fleirtal av høyringsinstansane har støtta den føreslåtte endringa. Det blir føreslått at endringa skal gjelde for alle saker der kravet blir sett fram etter at lovendringa tek til å gjelde. Lovendringa vil såleis ikkje endre på vilkåra for rett til arbeidsavklaringspengar, men vil sikre rettstryggleiken til dei som har behov for ordninga, gjennom at trygderetten igjen får full prøvingskompetanse. Det er ein samrøystes komité som står bak innstillinga, og eg viser elles til kommentarane til lovendringa i proposisjonen og til

takk

med. Det er ikke

så må

Nå er det

i kommunene. Dermed er

Den

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Presidenten foreslår at redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Abid Q. Raja på vegne av Venstre og

ordet, er møtet hevet.